4. februar, ble det bekreftet at problemene bare kan løses gjennom store investeringer i jernbanespor i og rundt Oslo, og at NSB, i motsetning til Jernbaneverket, mener at det er rom for en raskere investeringstakt enn i dag.

ukene. Jeg tror folk, i hvert fall som jeg har pratet med, har vært rimelig frustrert, for å si det forsiktig. Mange har brukt ganske krasse ord om hvordan de har opplevd situasjonen, og hvordan de har blitt behandlet når det gjelder togkaoset på Østlandet, spesielt i de siste ukene. Jeg tror kanskje at mange av ordene ikke hadde egnet seg i denne sal, så jeg skal ikke nevne de verste.

siste ukene. Derfor har jeg veldig lyst til å utfordre statsråden: Hvilke konkrete tiltak vil man iverksette for å hindre at dette fortsatt skal skje? Statsråden hadde jo en redegjørelse i salen tidligere i dag. Jeg synes det var mye fint og godt om hva man vil gjøre med de langsiktige utfordringene, men jeg synes hun var lite konkret om hva man har gjort. Veldig mye av det som er gjort, ble gjort lenge før statsråden kom på banen, slik jeg opplever det. I forhold til gjort. Veldig mye av det som er gjort, ble gjort lenge før statsråden kom på banen, slik jeg opplever det. I forhold til utfordringene på jernbanenettet ble det iverksatt tidlig i fasen. Det er slik at norsk vinterkulde faktisk ser ut til å medføre utrolig store problemer for Jernbaneverket og togselskapene hvert år. De kommer nesten som julekvelden på kjerringa hvert eneste år.

Sjefen for NSBs Persontrafikk, Stein Nilsen, har sagt opp sin stilling og slått fast at togproblemene på Østlandet ikke blir løst før om 30 år hvis det ikke bevilges mer penger til jernbaneutbyggingen. Det er med bevilgningen statsråden lovet i sin redegjørelse tidligere i dag, for det statsråden redegjorde for, er stort sett det som står i Nasjonal transportplan. Det betyr at det ikke er det som skal bidra til å løfte jernbanen og hindre at og hindre at alle passasjerene som kjører på jernbanenettet hver eneste dag, fortsatt skal oppleve togkaos, togproblemer og at de ikke kommer fram. Jeg mener det er mange ting som nå må gjøres. Det ene, og det jeg mener er det viktigste man skal ha fullt trykk på, er å gjøre noe med den akutte situasjonen vi har på jernbanenettet vårt, sørge for å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet. vedlikeholdsetterslepet. Jeg stiller meg noen spørsmål, for den ene dagen sier jernbanedirektøren at de har fått alle de penger de trenger, at de ikke kan bruke mer. Men nesten dagen etterpå sies det at dersom man hadde fått mer, kunne man brukt mer – med referanse til Aftenposten som hadde et oppslag der jernbanedirektøren først sa at hun ikke kunne bruke penger, men så plutselig sa at hvis hun hadde fått penger, kunne hun gjort det. men så plutselig sa at hvis hun hadde fått penger, kunne hun gjort det. Jeg synes det viktigste nå er å ha fullt trykk på vedlikehold. Det er viktig at Jernbaneverket tenker kreativt, ser på nye muligheter og ikke går i det gamle sporet som man har gått i i mange år, men faktisk begynner å se etter andre muligheter og andre måter å gjøre ting på. Når det gjelder de langsiktige linjene, handler det om at jeg tror vi må gjøre om Jernbaneverket. Vi burde skille ut Jernbaneverket i to selskaper, et utbyggingsselskap og et eierselskap. Noe av det

forslag om en investeringsramme på 6,8 milliarder kr utover Regjeringens ramme, men ble dessverre nedstemt. Det er én ting som vi vet ikke virker i det hele tatt, og det er krisemøter. Jeg har registrert at det de siste fire årene har vært fire krisemøter. Men det hjelper ikke å ha krisemøte på krisemøte, det må handling til, for det er bare handling som sørger for at det faktisk skjer noe. Statsråden skrøt tidligere i dag av alt Regjeringen har gjort, men denne regjeringen har nå sittet i fem år,

miljøprofil, og til å trekke fram tog i miljødebatten. Da komiteen møtte konsernledelsen i NSB 4. februar, ble det bekreftet at problemene bare kan løses gjennom store investeringer i jernbanespor i og rundt Oslo, og at NSB, i motsetning til Jernbaneverket, mener at det er rom for en raskere investeringstakt enn i dag. Jeg var inne på at jeg synes det er bra at statsråden prater mye om Oslo–Ski, men det er altså mange andre andre viktige jernbanestrekninger. Jeg har lyst til å utfordre statsråden på noe jeg også har gjort utenfor salen, og det er Eidangerparsellen, som det står skulle vært påbegynt i 2007. Det var de rød-grønnes løfte i forrige periode. Nå er løftet 2011. Jeg har ennå til gode å oppleve at statsråden vil være konkret og garantere at det blir oppstart i 2011, som var forutsetningen og det alle har forventet at statsråden skal komme med. Så jeg vil fortsatt utfordre statsråden på om hun nå vil garantere at Regjeringen kommer til å følge opp jernbaneløftet sitt, at disse investeringsprosjektene blir igangsatt, og at Eidangerparsellen kommer på plass i 2011. Så er jeg også spent på, med bakgrunn i redegjørelsen tidligere i dag, hvilke konkrete tiltak statsråden vil iverksette for å løse den akutte situasjonen man er oppe i, slik at man unngår de utfordringene man har hatt de siste ukene, og som har skapt mye trøbbel for situasjonen man er oppe i, slik at man unngår de utfordringene man har hatt de siste ukene, og som har skapt mye trøbbel for jernbanen og ikke minst for NSB i forhold til tilliten hos kundene sine. Utfordringen er hvordan man skal hindre at dette får fortsette. Statsråden hadde en redegjørelse tidligere i dag, men jeg er spent på hva statsråden nå konkret vil gjøre for at

Bakgrunnen for interpellasjonen var jo at statsråden ikke ville komme da man først utfordret henne på det, men jeg er veldig glad for redegjørelsen, og jeg gleder meg til debatten. Når det oppstår situasjonar med full stopp i togtrafikken på grunn av feil på jernbanenettet, på togmateriell eller på grunn av andre forhold som skaper problem både for togreisande og for godstrafikken med jernbanen, finn eg det rett at ansvarlege samferdselsministrar kallar inn leiarane utanom tur. Den statsråden som ikkje gjer det, tek ikkje i vare ansvaret som samferdselsminister på ein god nok måte. Eg veit at min forgjengar, Liv Signe Navarsete, tok initiativ til å setja i gang konkrete tiltak og prosjekt etter sine møte for å betra situasjonen. Det beste eksempelet på dette er nettopp Oslo-prosjektet. Det kom i stand etter møte i 2008. Årsaka til at prosjektet vart starta opp, var at det stadig førekom hendingar på jernbaneanlegga i og rundt Oslo S-området. Det var ofte store forseinkingar, det var stopp i togtrafikken, og årsaka var særleg hyppige tekniske feil i Oslotunnelen. Ekstraordinære fornyingstiltak, både på strekninga Lysaker–Etterstad, inklusiv Oslo S–Oslotunnelen, og på innerstrekningane mellom Oslo–Lillestrøm, på Hovudbanen, mellom Oslo–Ski og mellom Oslo–Asker, vart sette i gang. Som eg har gjort greie for i mitt innlegg om jernbanesituasjonen under sak nr. 7 i dag, er det snakk om eit omfattande er kostnadsrekna til om lag 2,1 milliardar kr, og det inngår i Nasjonal transportplan 2010–2019. Målet er å få ei oppetid på desse strekningane som tilsvarar dagens kvalitetsnivå på Gardermobanen. Hovudtyngda av infrastrukturen skal fornyast og oppgraderast slik at det for dei neste 25 åra berre vil vera behov for ordinært vedlikehald. Dette fornyingsarbeidet er altså kome godt i gang. Arbeidet med utbetring av Oslotunnelen vart påbegynt i 2008, arbeidet på strekninga Lysaker–Etterstad vart starta opp i år, og det skal etter planen stå ferdig i 2012, samtidig med innføring av ny ruteplan for Jernbaneverket vil i tillegg starta fornyingsarbeidet mellom Oslo og Lillestrøm i år. Interpellanten snakkar som om det er «quick fix» å sørgja for at toga går på skjener. Det er faktisk ikkje så enkelt. Men når fornyingsarbeidet på strekninga Lysaker–Etterstad, og samtidig nytt dobbeltspor i Vestkorridoren, er Lysaker–Etterstad, og samtidig nytt dobbeltspor i Vestkorridoren, er ferdig i 2012, er det grunn til å venta eit mykje betre og meir driftsstabilt togtilbod. Bygginga av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger er føresett å gje større stabilitet på jernbanen. I desse dagar ser vi nettopp kva langvarig kulde og snø betyr òg på den banen. Det er alltid ein risiko for at det kan oppstå avvik i togtrafikken når ein held på med fornyingsarbeid. Det har samanheng med at det må gjennomførast samtidig med at det skal avviklast normal togtrafikk på dei aktuelle strekningane. Det er viktig å få gjennomført Oslo-prosjektet så raskt som mogleg. Eg er veldig fornøgd med at Jernbaneverket etter oppfordring frå meg no har teke ein ny runde for å sjå på om dei kan stengja ned endå lenger i sommar i Oslotunnelen enn dei hadde planlagt, for dermed å få utført endå meir vedlikehalds- og fornyingsarbeid. Eg har vore der sjølv, eg har sett arbeidslaga som arbeider om natta, men dei har altså moglegheit til å arbeida 4 timar i døgnet. No har Jernbaneverket konkludert med at dei stengjer to veker lenger. Det betyr at dei får utført langt meir arbeid, nettopp med det håpet som Hoksrud og eg har felles, ein tryggare haust og vinter for mange togpassasjerar. Så har eg òg bedt Jernbaneverket saman med NSB å sjå på om det er mogleg å erstatta nokre fleire tog med bussar. Det vil gje ein meir robust ruteplan, og det vil gjera det mogleg å få toga raskt i rute igjen dersom det oppstår hendingar som skaper forseinkingar og stopp i togtrafikken.

kvaliteten, få ein meir føreseieleg situasjon og få større tilgjengelegheit til buss i avvikshandteringa. Årsaka til dei store driftsproblema som jernbanen slit med no, er i all hovudsak manglande løyvingar til jernbanen over mange år. Ikkje minst gjeld det det som både interpellanten og eg er opptekne av, drift og vedlikehald av det eksisterande jernbanenettet.

når eg stadig gjentek at vi har nær dobla budsjettet, vi har nær tredobla investeringane. Så eg skal ikkje seia meir om det akkurat no, der kan eg visa til utgreiinga som eg hadde tidlegare i dag. Men eg trur ingen er i tvil om at den raud-grøne regjeringa har satsa meir på jernbane enn regjeringar før oss har gjort, og eg trur heller ikkje det kan gå nokon trur heller ikkje det kan gå nokon hus forbi at her er det store planar framover. Når vi legg fram ein nasjonal transportplan som over tid betyr 92 milliardar kr meir til jernbane, må det jo bli rom for både noko meir til drift og vedlikehald og for nye prosjekt. Dei er òg lista opp, dei framgår av Nasjonal transportplan.

Det er eg heilt einig i. Eg er glad for å kunne melda at frå Posten si side, som er oppteken av miljøvenleg transport, er dette høgst mellombels, men ein gjer det faktisk på grunn av at den langvarige kulden og snøen medførte driftsforstyrringar som gjorde at altfor mykje post vart forseinka. Så dei er tilbake på banen igjen med det aller fyrste. Men det er viktig her å ha målet om ei dobling av godskapasiteten for auge framleis, for då må det vera framdrift både på dei over 40 kryssingsspora som er varsla, og på dei utbetringane som elles skal føregå. Så spør interpellanten om konkrete tiltak. No har eg nemnt dei som eg synest er aller viktigast på kort sikt. Så er det ikkje til å koma forbi

alle pengane i 2010 blir brukte. Til Eidangertunnelen er det å seia: Ja, det er eit prosjekt som òg ligg inne i Nasjonal transportplan. Så får vi koma tilbake til

hva man driver med, at statsråden er opptatt av å få fram det. Men jeg synes også det er viktig å ha med seg at hvis man ser på Nasjonal transportplan 2010–2019, så manglet man i 2010 – hvis man skal bruke pengene slik som forutsatt, putte det inn år for år – 850 mill. kr på jernbane. Når man i tillegg vet at Regjeringen og statsråden har satt Jernbaneverket i gang med å lage en høyhastighetsutredning til 50

de er mer opptatt av om Eidangerparsellen, i stedet for å gå i 20 km/t på store deler av strekningen kanskje heller skal gå i 150 km/t isteden – eller i 180 km/t, hvis man klarer å få til det. Det ville vært store framskritt. Det er jo ikke slik at utfordringene nå bare dreier seg om snø og snøproblemer. Det har f.eks. vært kjempedårlig regularitet på Bergensbanen, og det skyldes jo helt andre forhold enn bare snø og at det er vinter. vinter. Det er noe av det jeg synes er utfordringen her. Jeg har lyst til å utfordre statsråden på hvorfor det er slik at man nesten ikke har tillatt pendlerne å bruke Flytoget. Dette har det vært debatt om, og statsråden har fått flere spørsmål om det. Jeg håper virkelig at statsråden vil sørge for at når de andre togene har problemer, så skal pendlere og andre som bruker toget, få lov til å bruke Flytoget i langt større grad enn det de gjør i dag. dag. Jeg synes heller ikke at man kan være bekjent av at det er en regularitet nå på 60–70 pst. – som statsråden sa tidligere i redegjørelsen. Det er altfor dårlig. Og at det er økte bevilgninger de siste fire årene er bra, men utfordringen og spørsmålet mitt til statsråden – jeg skjønner at hun ikke vil svare ordentlig på om Hardangerparsellen kommer i gang i 2011 eller ikke men utfordringen og spørsmålet mitt til statsråden – jeg skjønner at hun ikke vil svare ordentlig på om Hardangerparsellen kommer i gang i 2011 eller ikke – er fortsatt: Er det slik som Jernbaneverket sier, at de har fått alle pengene de kan bruke, eller er det slik som NSB sier, at det må mer penger til, og at det er mulig å bruke mer penger på investering, ikke minst når det gjelder drift og vedlikehold? Jeg lurer på hvor statsråden står her. eller NSB? Det er i hvert fall tydelig at det er kollisjonskurs mellom NSB og Jernbaneverket når det gjelder hvor mye penger man burde bruke for å løse den akutte situasjonen som jernbanen er i, og som er kritisk for NSB og omdømmet til NSB. Eg er

meldt skriftleg, og eg er glad for at det er lagt til rette for det. Så registrerer eg at Framstegspartiet no naturleg nok vil fokusera på sitt budsjettforslag for 2010 når dei nemner beløp. Dei unngår sjølvsagt å seia noko om dei reduksjonane som dei sjølve har foreslått, år etter år, nettopp på jernbanen. Det er jo denne manglande merksemda tidlegare på jernbanen som gjer at både Bergensbanen og andre slit – dei skulle ha hatt langt meir til vedlikehald på eit tidlegare tidspunkt. Det er det same vi såg i kommunesektoren. Der har det òg samla seg opp eit stort etterslep på vedlikehald, men no er vi altså i gang. Eg kva det betydde berre det at dei reinsa ballasten i sommar i vedlikehaldspakken på Bergensbanen mellom Myrdal og Voss. Det har altså medført større punktlegheit, men det er stadig rom for betring, og det er rom på 2010-budsjettet for både meir vedlikehald på Bergensbanen og på andre banar. Så til Flytoget. Det er ikkje slik at Flytoget er ikkje slik at Flytoget i dag går med så stor kapasitet at det berre er å opna dørene. Flytoget har eitt oppdrag, og det er å frakta flypassasjerar mellom Drammen og Gardermoen. Det seier seg sjølv at det må vera visse reglar knytte til det, men der har kommunikasjonen og informasjonen vore for dårleg. Det skal no betrast. Til høgfartsutgreiinga: Eg kunne like så vel her risikert å bli skulda for at eg ikkje følgde opp Soria Moria. Det er jo det eg gjer, følgjer opp Soria Moria på dette feltet – og dei 50 mill. kr treng ikkje Hoksrud vera uroleg for. Dei inngår i dei budsjettmidlane som er til disposisjon på planlegging. Så til Eidangertunnelen. Eg synest Eidangertunnelen er eitt av fleire eksempel på at det faktisk er viktig å planleggja før vi set i gang. Eidanger ligg inne i Nasjonal transportplan med enkeltspor. No har spørsmålet om dobbeltspor kome opp. Det seier seg sjølv at då må det planleggjast nærmare før det blir Fire alternativ skal utgreiast når det gjeld framtida. Hoksrud kan gleda seg til 1. februar

nå også er opptatt av tog. For dem av oss som er opptatt av tog, er det ingen ting som er bedre enn at det gis mye oppmerksomhet i Stortinget. Det er kanskje mangel på oppmerksomhet i mange år som har ført oss inn i dagens situasjon. Derfor er det bra at vi har en regjering som er godt i gang med en snuoperasjon for jernbanen. Det er ikke alle samfunnsområder som har opplevd over 180 pst. vekst de siste fem årene, slik som jernbaneinvesteringene har. Det er ikke alle postene på statsbudsjettet som økte med 18,5 pst. fra 2009 til 2010, slik Jernbaneverkets budsjett gjorde. Jeg skulle ønske det var like lett å bygge og drifte norsk jernbane som det Brio-toget jeg lekte med da jeg var liten, men sånn er det altså ikke. Jeg tror det er ytterst få av dagens møtende stortingsrepresentanter som tror på revolusjon, og i ordskiftet om jernbanen kan det virke som om enkelte tror det er mulig. I det minste tror noen at de kan utrette underverker. Jeg må innrømme at jeg verken tror på revolusjon eller på under. Det jeg derimot tror på, er fortsatt at storsatsing på jernbane kan rette opp den uretten som er gjort. Dere har hatt makta i fire år, og dere har ikke gjort noen ting, sier opposisjonen. Hvis ferdigstillelse av dobbeltsporet Sandnes–Stavanger ikke betyr noe, hvis mer vedlikehold i hele landet ikke betyr noe – spesielt i nervesenteret rundt Oslo hvis det endelig å få Oslo–Ski inn på Nasjonal transportplan og på egen post i statsbudsjettet ikke betyr noe – dette som tre tiltak av veldig mange – vel, så har vi vist vilje, og vi vil videre! Hvor må vi gå videre? Det er det viktige for frustrerte reisende som i vinter har holdt ut på perrongen. Jeg har stor forståelse for deres situasjon og for godstransportørene som vil ha varene fram på bane og ikke på Vi må få orden på infrastrukturen i Oslo-området og i tunnelen der. Over 2 milliarder kr skal vi bruke de neste årene. Så er det begrenset hvor mye vedlikehold man får gjort de få timene om natta når togene ikke går. Derfor er jeg glad for at statsråden i dag har varslet intensivert vedlikeholdsarbeid i sommer, med stenging av trafikken gjennom Oslo i fire istedenfor i to uker. Intensivert vedlikehold er også i tråd med hva Arbeiderpartiet har sagt tidligere i vinter. Raskere vedlikehold vil gi raskere Jeg er også glad for at man har satt i gang en prosess for å se på ny tunnelløsning eller andre alternativer som kan bedre framkommeligheten gjennom Oslo. Mye vil bli bedre når dagens tunnel er ferdig opprustet. Men for dem av oss som har ambisjoner for norsk jernbane, vil en ny løsning måtte komme i framtida. Så tror jeg ikke vi skal tilbake til tidligere tiders stasjonsmester og banevokter. Men jeg stiller spørsmålet om pendelen har svingt for langt i motsatt retning. Fram til vedlikeholdsarbeidet på linjene er ferdig, bør vi vurdere mer oppsyn med banestrekningene på nattetid. Det var denne medisinen som gjorde at 99 pst. av togene under OL på Lillehammer var punktlige, i en situasjon der man før OL hadde store forsinkelser. Man kan hvis man vil – og hvis man bruker penger på drift! 50 nye togsett er bestilt, og NSB har opsjon på flere. Jeg stiller spørsmålet: Er det kanskje like greit at man utløser denne opsjonen og bestiller flere nå? Det er en bestillingstid på tre år. Planene for sammenhengende dobbeltspor i intercity-triangelet må Jernbaneverket få på plass. Vi må gjennomføre de utbyggingene vi har satt som mål i nåværende Nasjonal transportplan, og tidfeste dobbeltspor i hele triangelet i forbindelse med neste Nasjonal transportplan. Så har mandatet for høyhastighetsutredningen kommet. Her er det bred enighet på Stortinget – minus Fremskrittspartiet. Høyhastighet kan bety helt nye reisemønster, nye bosettingsmønster og ny næringsutvikling. Utredningene skal gi oss et beslutningsgrunnlag. Så må vi ikke glemme at det går tog andre steder også, og at det i vinter har vært problemer på Bergensbanen, og ikke minst på Jærbanen. På lang sikt må utfordringene møtes med den samme medisinen – økte vedlikeholdsbudsjetter og investeringsprosjekter. På kort sikt må alle steiner snus for å få togene i øst og vest i rute, slik samferdselsministeren tidligere har redegjort for. Jeg er glad for det engasjementet og ambisjonsnivået som er når det gjelder jernbanen, og jeg ser fram til mange gode jernbanediskusjoner – og ikke minst vedtak – i tida som kommer. Som representanten Kjernli korrekt sa, er

En høy kvalitet på anleggene er viktig i forhold til sikkerhet og punktlighet, og dersom anleggene ikke kan fornyes etter hvert som tilstanden blir for dårlig, vil dette resultere i lavere pålitelighet og flere feil med flere saktekjøringer og forsinkelser som resultat.» Det kan faktisk se ut som om jo mer den rød-grønne regjeringen har snakket om jernbane, om sin jernbanesatsing og om hvor jo tydeligere har problemene og utfordringene innenfor norsk jernbanesektor vist seg frem. Det betyr at togene står, og passasjerene venter. Vi har nesten komme ut av tellingen på antall krisemøter mellom jernbaneledelsen og samferdselsministeren. Stein Nilsen, som var direktør for NSB Persontog, sa det slik: «Dersom ikke det bevilges langt flere penger, vil det ta 30 år å løse togproblemene på Østlandet.» Det holder ikke med kaffe og beklagelser på perrongen, og det holder ikke med refusjon av billettpenger til passasjerer som er uten transport, eller som blir sterkt forsinket når de velger jernbanetransport. Det som trengs, er en gjennomgripende oppgradering, fornyelse og modernisering av jernbanen i Norge. Norge. Vi har hørt statsråden tidligere i dag, delvis er det også gjentatt i hennes innlegg i denne interpellasjonsdebatten, om de tiltakene som er på gang. Det er i hovedsak rettet en del år frem – om vi kan håpe på effekten som er antydet og varslet. Men i den vanskelige situasjonen på kort sikt – for dem som da ønsker å bruke tog

høyhastighetstog, går av planleggingsmidler, hvis det er slik at man innenfor den totale budsjettrammen faktisk sliter med å dekke inn et oppsamlet etterslep på vedlikehold av jernbanenettet på 10 milliarder kr. Så er det to forhold til som jeg gjerne vil utfordre samferdselsministeren på. I diskusjonen omkring punktlighet og tog som ikke går, har passasjerene blitt ekstra frustrert av at de to aktørene ikke blir enige om hvem som har skylden – om det er passasjerene blitt ekstra frustrert av at de to aktørene ikke blir enige om hvem som har skylden – om det er NSBs skyld, eller om det er Jernbaneverkets skyld, for å bruke det uttrykket. Det dukker også opp i debatten at det er mye feil på tog. Det ligger jo vitterlig hos togoperatøren, togeier NSB. Så jeg spør konkret: Er det mye feil på tog? Og er det grunnen til er det grunnen til en del av problemene som togpassasjerene blir møtt med, dukker opp? Det dukker også opp i debatten at det er forsinket opppussing av gamle tog. Er det også en problemstilling at det tar lengre tid og er mer kostbart fordi togene faktisk viser seg å være i langt dårligere stand enn det man kanskje har trodd, før de går inn til vedlikehold? Her er det altså tre ting

enn det det hittil har sett ut til at man har kunnet klare. Først vil jeg takke statsråden for redegjørelsen som hun holdt tidligere i dag. Stortinget har det klare. Først vil jeg takke statsråden for redegjørelsen som hun holdt tidligere i dag. Stortinget har det overordnede ansvar for at Norge har et kollektivt transportsystem og en jernbane som er moderne og konkurransedyktig. Stortinget har ansvar for å tilrettelegge for et moderne transportsystem som bringer mennesker til og fra jobb på en rask, effektiv, trygg og forutsigbar måte et transportsystem som, satt inn i et helhetlig samfunnsperspektiv, samler bygd og by til ett land. Denne vinteren har Stortinget og samferdselsministeren dessverre feilet i dette samfunnsoppdraget. Den norske jernbanen er i krise. Vinter etter vinter opplever vi togbrukere at forsinkelser og feil avløser hverandre. Tilliten har stupt. Privatpersoner og næringsliv velger bort jernbanen til fordel for veien. NSB mister kunder. Miljøet lider. Jernbaneverket klarer ikke å tilpasse seg, og Regjeringen unnviker realistiske langsiktige løsninger. På jernbanen drives det nå en reaktiv brannslukking i stedet for en proaktiv utvikling. Det er tid for å løfte blikket. Høyre vil ha et Vi trenger gode, pålitelige løsninger for at folks hverdag skal fungere for næringsliv og miljø samt for å sikre nødvendige og gode trafikkløsninger for befolkningsområder i stor vekst. Det har vi på Østlandet, det har vi flere andre steder i vårt land. Tilbudet må være slik at toget går når det skal og har en tilstrekkelig kapasitet. Så er jo spørsmålet: Hva skal til for å få løst denne togkrisen? Det overordnede svaret er at Regjeringen må ville jernbane, dernest at Regjeringen må ville Nasjonal transportplan – og enda mer: Norsk jernbane trenger nye løsninger, og vi trenger å ta i bruk de erfaringer og metoder som vi ser brukt i andre land. Positive ting ser ut til å skje internt i

Hvis vi skal få togsektoren på skinner igjen, kreves det også betydelig engasjement og forpliktelse fra oss politikere. Vi må gi store nok rammer med forutsigbarhet i finansieringen. Dersom vi skal kunne ha noen som helst sjanse til å innfri forventningene til hva jernbanen burde vært, krever dette at vi også er åpne for moderne selskapsstruktur, prosjektorganisering og Offentlig Privat Samarbeid når det gjelder finansiering. Vi trenger strammere økonomiske rammer. De kommer til å komme framover, og de vil stille sterkere krav til en politisk prioritering og til å finne nye løsninger for å få realisert nye prosjekter. Det handlingsrommet som dette åpner, må vi ta i bruk. Dette bør innebære økt bruk av nettopp prosjektfinansiering og Offentlig Privat Samarbeid. Slike løsninger vil kunne gi nye togskinner raskere, mer forutsigbart, billigere, med økt kvalitet, en bedre risikofordeling og en større fokusering og oppmerksomhet på livsløpskostnadene. Jernbane er mye mer enn å reise fra A til B. Jernbane er by- og regionutvikling, verdiskapning, miljø- og distriktspolitikk. Regjeringen svikter i dette. Velferdsstaten bygges ved å legge til rette for god kommunikasjon, nasjonalt og til utlandet. Jeg tror det er viktig at vi både tør og vil, og vi vil være med på den dugnaden. I dag har det kommet frem at det blir fire ukers stopp fordi det skal intensiveres et vedlikehold i Oslotunnelen. Det er bra, men jeg undres over hvorfor ikke oppmerksomheten rettes mot meg som reisende, og mot alle andre spørsmålet: Hvordan skal jeg så komme meg frem? Denne kundeoppmerksomheten, å si at selvfølgelig skal vi stille opp med buss så du kommer fram, er totalt fraværende i den informasjonen. Vi skal avklare det når svarene foreligger, er det vi har hørt i dag. Dobbeltspor Oslo–Skien/Halden/Lillehammer – det tar 30 år med dagens planlegging. Det betyr at man må ville mer enn Nasjonal transportplan. Vi kan håpe på våren, men det vil være nytt for reisende at blåveisen hjelper.

Ein transportplan vart vedteken, som betyr ei dobling av investeringane samanlikna med førre periode og meir enn ei tredobling samanlikna med det puslete nivået den gongen dei borgarlege styrte med Framstegspartiet som støttehjul. Eg og SV vil vise til utgreiinga og svaret frå statsråden her i dag når det gjeld alle tiltaka som er sette inn, og som vart gjennomførte for å få rute. Eg er glad for at vi har ein statsråd som har evna å ta tak i krisa for at vi skal få jernbanedrifta på skjener. Men som pendlar på østfoldbanen sjølv veit eg at korkje tiltak eller auka løyvingar er særleg god trøst den dagen du står der med eit forseinka tog. Med den regulariteten vi har hatt dei siste månadene, betyr jo det at pendlar du begge vegar, må du rekne med at nesten kvar dag har du togforseinking. Med jobb, barnehage, skule, nokre fritidsaktivitetar og litt sånn er det eit problem som rammar deg midt i kvardagen. Det kan samanliknast med å mangle barnehageplass når du har små barn, eller å stå i helsekø når du er alvorleg sjuk. Det handlar om å få livet til å gå opp. Det handlar om kvardagen. Eg Eg stod og venta på toget, litt irritert, ein dag i vinter. Då var det ein kar som kom bort til meg, ein Frp-ar – ikkje frå denne salen, berre for å seie det – og så sa han til meg at viss vi hadde ført framstegspartipolitikk og lytta meir på Framstegspartiet, hadde eg sloppe å stå der og irritere meg. Eg måtte på ein måte gi han rett, for hadde vi ført framstegspartipolitikk på jernbane nokre tiår, hadde vi ikkje hatt særleg mykje jernbanenett

og vi skal få på plass ein transportplan, slik at vi har ei jernbanesatsing på eit heilt anna nivå i neste runde igjen. Vi vil ha eit nivå på jernbaneinvesteringane som gjer at vi kan byggje ferdig det aller meste av dobbeltspora på Austlandet, til Lillehammer, Halden og Grenland, det neste tiåret. Viss vi ser på EU-statistikk, viser han at frå 1992 til 2007 låg vi på Svenskane investerte i den same perioden dobbelt så mykje, fjellandet Sveits fire gonger så mykje pr. innbyggjar som vi gjorde. Skiftande regjeringars forhold til toget er òg det vi godt kan kalle ei nokså svikefull kjærleikshistorie. Vi må lære av andre land. Blant anna står det ein innsiktsfull artikkel i dagens Aftenposten som viser korleis Spania satsar på toget. Dei investerer 20 gonger så mykje som vi vedtok i fjor. Dobbelt så mykje på bane som på veg brukar dei no. ut. Det er altså årevis, for ikkje å snakke om tiår med nedprioritering av toget frå skiftande regjeringar som kan forklare det. Vi må lære av dei landa, men det betyr òg at vi må lære at vi må prioritere. Vi kan ikkje, som Framstegspartiet og til dels investere fantasibeløp i firefelts motorveg i tillegg til å byggje ut jernbanen. Vi må prioritere den mest effektive og miljøvennlege transportforma i den delen av landet der det bur mest menneske. Det er toget. Vegvesenet meiner at dersom bilen skal ta unna transportveksten framover i hovudstadsområdet, må det byggjast 16 felts motorvegar. Då må vi heller få fart på bygginga av dobbeltspor, og vi må byggje heile strekningar ferdig. ferdig. Eg meiner at strekninga Oslo–Ski er det viktigaste samferdselsprosjektet i Noreg i åra som kjem. Eg merka meg med glede det statsråden sa i si utgreiing. Dei grepa som må til for å få ei raskast mogleg ferdigstilling av strekninga Oslo–Ski, er ho villig til å ta. Så må vi byggje fleire kryssingsspor, som det er varsla. Vi må ta tak i oppgradering av stasjonar. Vi må sterkt på å kjøpe inn ytterlegare nytt togmateriell og fortsetje veksten i vedlikehald. Skulle det kome noko godt ut av den situasjonen vi har hatt i vinter, med togkrise, måtte det vere ein heilt annan vilje tverrpolitisk til å satse på toget. Representanten Kjernli sa at det er få revolusjonære i denne salen, men vi treng faktisk ein togrevolusjon i Noreg i tiåra som

Forventingene til jernbanen som framtidens transportmiddel er også store, og det synes Senterpartiet er veldig bra. Jernbanen blir prioritert på en helt annen måte nå enn for fem år siden. Med regjeringsskiftet i 2005 fikk vi et taktskifte i jernbanepolitikken. Mens utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika sto i fare for å stoppe opp, har denne regjeringen løftet investeringsnivået til jernbanen med Ikke noe sted i landet vil man nyte mer godt av det enn i Oslo-området. For igjen å bruke utbyggingen mellom Lysaker og Sandvika som eksempel, vil utbyggingen føre til en dobling av kapasiteten i sporet. Reisetiden mellom Skøyen og Asker vil bli redusert fra 20 til 13 minutter. I tillegg vil trafikken bli mer punktlig. Altså: Oslo-prosjektet er i gang. NSB har i tillegg bestilt 50 nye togsett. Jeg følger gjerne opp utfordringen, at man bestiller flere togsett. I tillegg skal gamle togsett rustes opp, og grunnlaget er lagt for et langt bedre togtilbud fra 2012. Dette er det positive bakteppet, men jeg minner om at de utfordringene som vi har, er store. Det trøblet vi har sett på jernbanen den siste tiden, skyldes at vedlikehold og fornying av jernbanelinjene ikke har blitt prioritert høyt nok de siste tiårene. Høsten i fjor startet positivt med økt punktlighet og regularitet, og vi så og ser effekter av ekstra bevilgninger og økt innsats. Fra desember og i vinter har det vært og er store problem. Den harde vinteren i år har gjort det ekstra utfordrende. Det ser vi også i andre land, der vinteren også har vært preget av lange kuldeperioder. Gamle tog og gammel infrastruktur har ikke vært gode nok for å takle streng kulde og god, gammel norsk vinter. Krisetiltak er satt i verk, både fra Jernbaneverkets og NSBs side – busser, ekstra folk og tinekapasitet. Etter planen skal Oslo-prosjektet være ferdig parallelt med det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Asker, og samtidig med de første av de nye togsettene som skal være på plass. Det betyr at man satser parallelt både på investeringer, vedlikehold og materiell. Debatten vris ofte mot midler, og selvfølgelig er det avgjørende i mange saker. Jernbaneverket har fått de pengene de har bedt om, både til vedlikehold og fornyingstiltak i Oslo-området. Nå er ikke det største problemet penger, men mangel på fagfolk, både innenfor signalfeltet og på andre fagområder. Mange av de hender og hoder vi hadde trengt nå, sluttet i sektoren mens Bondevik planla å konkurranseutsette store deler av Jernbaneverkets virksomhet. I februar 2005 fikk alle i Jernbaneverket tilbud om sluttpakke. Dette, sammen med den aktivitetsøkningen som man har hatt de siste fire–fem årene, gjør at kompetanse er et kritisk knapphetsgode. Så snakker Fremskrittspartiet om en ny runde med strukturendringer. Det vil jeg advare kraftig mot. Nasjonal transportplan 2010–2019 innebærer at det skal brukes 322 milliarder kr til samferdsel de neste ti årene. Vi tar med andre ord et stort løft for veg og jernbane de kommende år. Det største prosjektet i inneværende NTP er et jernbaneprosjekt, dobbeltspor Oslo–Ski. Det er et særlig viktig prosjekt for trafikkavviklingen i østlandsområdet og har derfor fått egen budsjettpost – skilt fra de andre jernbaneprosjektene. Det er meget viktig at dette kommer raskt i gang. I denne debatten dreier det aller meste seg om storbyproblematikken, og hvordan vi skal sikre både pendlere og godstrafikk et bedre tilbud gjennom østlandsregionen. Som jeg har prøvd å vise: Vi er godt i gang. Mer skal gjøres, men det tar tid å snu en situasjon som har vært så ute av kurs som den var i forhold til samferdsel og jernbane før regjeringsskiftet i 2005. Jeg minner også om at det går tog i andre deler av landet, som også skal ha sin nødvendige del av bevilgningene framover, dette skal vi også gjøre noe med. Jeg synes det er flott og interessant at Fremskrittspartiet har blitt så opptatt av jernbane. Før 2009 var ikke det tilfelle. Vi skal satse tungt på samferdsel i by og bygd i årene som kommer. Det mener vi er meget klokt. Det skal vi gjøre ved å arbeide målrettet og ikke fire en Målsettingene i Nasjonal transportplan skal fylles opp, slik at vi sikrer både arbeid og arbeidsplasser i hele landet. Eg vil starte med å takke representanten Bård Hoksrud for interpellasjonen, som eg synest er

vil eg seie til statsråden at eg er glad for utgreiinga. Eg synest statsråden har vore veldig ryddig i forhold til Stortinget. Ho har kome til Stortinget og gjort greie for det som gjeld førespurnaden. Eg ser fram til å debattere det ved eit anna høve. Ei utfordring for alle oss i denne salen er bl.a. utsegna til Stein Nilsen: Ikke engang for kjernestrekningene rundt Oslo.» Aftenposten spør han: «Finnes det ikke planer for å komme ut av uføret her?» Han svarar: «Ikke som imøtekommer kundenes forventninger. Det finnes ikke finansiering, og ikke fullstendige planer for InterCity. Togsatsingen som gjøres i Norge i dag er ufullstendig.» Det er ei utfordring for alle oss i denne salen. salen. Representanten Gorm Kjernli snakka om revolusjon eller under. Eg veit ikkje om det er nokon i vår komité som trur på revolusjon, men det er nokre som trur på under. Likevel kan det vere grunn til å hjelpe til. Derfor meiner eg det er behov for eit breitt forlik. Derfor meiner eg at me i denne salen bør gå saman. saman. Eg har opplevd at me har fått sitert ord frå Skrifta i dag. Men i denne samanhengen er me alle syndarar. Utfordringa er at vi no bør kunne jobbe saman. Me har gjort det på andre, store område. Det har me gjort i samband med skatt, pensjon og på miljøsida. Da har me gått saman for å løyse dei utfordringane me har hatt. Det er ei utfordring når dei planane me har, som ligg på bordet,

til jernbane gir god effekt på klimagassutslipp. Dette krever store investeringer, langt utover rammene i NTP 2010-2019.» Det er vår utfordring. Det same seier sjefen i Statistisk sentralbyrå, Øystein Olsen, som meiner politikarane har gløymt dei gamle løfta. Da me vedtok handlingsregelen, sa me at det me nettopp skulle bruke oljepengane på, var infrastruktur, jernbane, veg, forsking og utdanning og skattelette. Me ser at me ikkje har følgt opp det som var intensjonen bak nettopp det. Det er me nøydde til å gjere, òg i forhold til klimautfordringane me står overfor. Men det er ikkje berre ei utfordring i forhold til klima og miljø. Dette har òg å gjere med kapasitet og ein plasssituasjon. Me veit at fram til 2030 forventar me ein vekst i Oslo I Akershus forventar me ein vekst på 34 pst. Me veit at i desse to fylka bur det i dag 1 million menneske. I 2030 vil det bu 1,5 millionar menneske her, og i 2055 vil det bu 2 millionar menneske i Oslo og Akershus. Skal me løyse det ved berre å byggje vegar, treng me 18 felts veg frå Sandvika og inn til Oslo. Da må toget vere ei av dei løysingane som me kan samordne oss mot. Det er heilt nødvendig skal me greie å løyse ikkje berre klimautfordringa, men òg den daglege utfordringa til dei mange som reiser til og frå jobb i det sentrale

Det er ingen tvil om at en rask oppgradering av jernbanen er avgjørende for å løse de miljø- og fremkommelighetsutfordringene vi står overfor, spesielt i Oslo-området. Jeg har sittet fire år i transport- og kommunikasjonskomiteen og hørt på hvordan tidligere samferdselsminister og flere av regjeringsmedlemmene har lagt skylden på Bondevik IIs fire år i regjering for alt som er vondt og vanskelig innen jernbanesektoren. Skuffende nok fortsetter nåværende samferdselsminister nåværende samferdselsminister denne tradisjonen – etter fem år i regjering og med en historisk bruk av penger, som vi også stadig hører. Jeg gleder meg til debatten etter dagens redegjørelse. Jeg skal imidlertid prøve å unngå samme fellen, nemlig å skylde på alle andre, men heller være en aktiv pådriver for så raskt som mulig å få løst problemene for våre pendlere – og det kan dagens interpellasjon bidra til. er et svært betimelig spørsmål interpellanten reiser: Kan oppgradering av jernbanesporet i og rundt Oslo gjøres raskere dersom det tilføres mer kapital og arbeidskraft? Venstre mener ja, og vi mener det haster. Derfor har vi i alle våre alternative budsjetter de siste årene lagt inn om lag 1 milliard kr mer hvert år til økt satsing på oppgradering, kapasitetsutnyttelse og fornyelse av jernbanen og infrastrukturen. Og det er Og det er arbeidskraft der ute som gjerne vil bidra. I budsjettet for 2010 foreslo vi også en ekstrabevilging for å starte planlegging av ny kapasitet gjennom Oslo. Oslotunnelen har vært gjenstand for en rekke problemer i togtrafikken på grunn av manglende vedlikehold. Den har også tilført jernbanesystemet på Østlandet betydelig sårbarhet ved å være den eneste øst–vest-forbindelsen gjennom Oslo. I dag har tunnelen to og slik er det videre vestover mot Drammen. Det planlegges nå imidlertid fire spor vest for Oslo og ni spor øst for Oslo innen få år, mens det fremdeles bare skal være to spor gjennom Oslo. Det sier seg selv at Oslotunnelen vil bli en flaskehals i det lokale og riksdekkende jernbanesystemet med dagens planer. Derfor har Venstre fremmet et forslag i Stortinget om å forsterke innsatsen for å løse togkrisen på Østlandet, har foreslått at vi igangsetter planlegging av ny tunnelforbindelse gjennom Oslo, slik at denne kan stå ferdig innen en tiårsperiode. Dette er et krevende og kostbart prosjekt, men er nødvendig for å sikre kapasiteten. Vi tar også til orde for full fornyelse av jernbanenettet på det indre Østlandet, på strekningen Oslo S–Skien – Lillestrøm–Asker, slik at dette nettet kommer opp på en standard tilsvarende Gardermobanen senest innen en femårsperiode. Det vil gi togene den nødvendige kvaliteten på infrastrukturen, slik at vi kan unngå store forsinkelser og innstillinger i dette kritiske området. Statsråden har ennå ikke hovedutfordringen i denne interpellasjonen, nemlig: Hva er rett – er det det Jernbaneverket sier, at de får nok penger og ikke kan bruke mer penger, eller er det det NSB sier, at de har rom for raskere investering enn i dag? Dette forventer jeg at statsråden svarer på, ellers har hun ikke besvart denne interpellasjonen, slik jeg ser det. det. Så må jeg rette opp en gjentatt feil når det gjelder signalanlegg. Jeg siterer fra Bondevik II-regjeringens stortingsproposisjon fra den tid, og det gjelder omstilling: «Jernbaneverket blir med dette en bestiller og byggherre for oppdrag innen utbygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, blir med dette en bestiller og byggherre for oppdrag innen utbygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, med unntak av vedlikehold av signal- og teleanlegg.» Det er altså feil, slik statsråden har sagt før i dag, og nå også representanten Sjelmo Nordås, at signal- og teleanlegg også var konkurranseutsatt.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har gjentatte ganger, senest i dag, også understreket alvoret i glad for den redegjørelsen som er gitt, og ikke minst for de offensive grepene som er tatt både for å bedre den akutte nåsituasjonen og for å øke tempoet på vedlikehold og investeringer, som det ble redegjort for. Det er ikke tvil om at det er flere tiår med unnlatelsessynder som er hovedforklaringen på at vi nå har hatt kaotiske tilstander i togtrafikken, og at det grepet som Stoltenberg-regjeringen har tatt for å få en massiv satsing på bane, har vært helt nødvendig. Jeg er også glad for at Fremskrittspartiet nå endelig engasjerer seg i banespørsmålet – etter å ha vært ute av banen i mange år. Men jeg har et ønske om å utfordre Fremskrittspartiet, og kanskje særlig representanten Sortevik, som er veldig opptatt av og skisserte kortsiktige tiltak som Regjeringen faktisk allerede er i gang med. Hvilke andre tiltak ser Fremskrittspartiet for seg at man burde sette i gang? Jeg har også merket meg at opposisjonen hisser seg opp over at den også blir stilt til ansvar for den situasjonen som vi nå har. Jeg skjønner at det kan være beklemmende å bli konfrontert med tidligere synder – og i komiteen har vi faktisk to representanter for Bondevik II-regjeringen, som begge har vært flinke til å skylde på dagens regjering. Men faktum er at Bondevik II-regjeringens jernbanepolitikk var pinlig.

Bondevik II-regjeringen, der komitéleder Knut Arild Hareide var miljøvernminister, foreslo faktisk et kutt i bevilgningen til bane i budsjettforslaget som de la fram i 2006. Den rød-grønne regjeringen har tatt tak i denne situasjonen fra dag én etter at vi overtok regjeringskontorene. Vi reverserte Bondevik II-regjeringens forslag om budsjettkutt. Vi har startet arbeidet med å gjenoppbygge kompetansen i Jernbaneverket etter at Bondevik II-regjeringen delte ut sluttpakker, konkurranseutsatte virksomheten og på den måten svekket Jernbaneverket alvorlig. Jeg merker meg men et forlik innebærer også en vilje til samarbeid. Jeg må si at jeg synes at en del av komitélederens utfall mot denne regjeringen ikke borger for et samarbeid. For et par uker siden kritiserte komitélederen bl.a. Regjeringen for å ha trenert tempoet på Lysaker–Sandvika-utbyggingen. Faktum i saken er at Bondevik II-regjeringens forslag til kutt i jernbanebudsjettet for 2006 innebar en bevilgning på null null kroner til Lysaker–Sandvika i budsjettforslaget dette året, mens framdriften i anlegget tilsa 270 mill. kr. Dette skjedde altså da den samme Hareide var miljøvernminister og medansvarlig for det foreslåtte budsjettkuttet. Et forlik foreslås altså nå – ni måneder etter at Nasjonal transportplan ble vedtatt, og to måneder etter at den er trådt i kraft. Jeg har lyst til å minne om at Kristelig Folkeparti foreslo 0,1 milliard kr mer enn oss til bane i NTP – 0,1 milliard kr på ti år. Høyre foreslo ingen pluss på jernbaneinvesteringen i NTP, som altså nylig har trådt i Den rød-grønne regjeringen har startet en massiv satsing på vei, på bane, på samferdsel. På lang sikt er det løsningene på problemene i togtrafikken. På kort sikt ligger løsningen i å gjennomføre mange små og store tiltak, slik samferdselsministeren har gått grundig igjennom i dag. Løsningen ligger ikke i privatisering, omorganisering eller andre lettvintheter. Det kreves rett og slett hardt og målrettet arbeid i alle ledd for å sikre at neste vinter blir bedre for togpendlere og godstransportører. Vi snakker om viktigheten av en effektiv jernbane. Det var altså ikke Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller SV som tok opp denne interpellasjonen. Tvert imot så var det Fremskrittspartiet, og det er tilsynelatende meget kritikkverdig. Hvis dette hadde vært viktig for dagens regjering, er det vel en selvfølge at noen representanter fra Regjeringens partier hadde tatt opp en interpellasjon som nettopp belyste den problemstillingen som vi i dag har. Det er heller ingen tvil om at når Fremskrittspartiet får kritikk av representanten Solhjell for at vi har ønsket å satse mer enn 6 milliarder kr mer enn dagens regjering på jernbane, faller det på sin egen urimelighet. Men vi må ta inn over oss at vi har enorme utfordringer for å få på plass en effektiv jernbane, som ikke minst må være framtidsrettet. I så måte har komiteens leder fullstendig rett. Nå vet ikke jeg om det er mirakler eller revolusjoner som må til for å få dette på plass, men man kan konstatere at den politikken som blir ført i dag, ikke er en målrettet nok politikk til å få løst dagens problemer, og det var det ei heller under tidligere regjeringer. Jeg må si at jeg blir nær sagt sjokkert når jeg får høre her i dag av dagens statsråd at det er helt naturlig å ha et krisemøte ca. en gang i året, fordi vi ikke har en jernbane som går og kommer når den skal i Norge. Jeg blir enda mer sjokkert når jeg får høre at det ikke er en selvfølgelighet at toget skal gå. Ja, hvis vi har den innstillingen til jernbanen til jernbanen at jernbanen mer eller mindre kan komme og gå når den selv finner det for godt, uten å holde noen av sine egne ruter, får vi vel som vi selv har bestilt. Dette holder ikke. Det er et paradoks at værgudene har større betydning for punktligheten til jernbanen enn både Jernbaneverket, NSB og statsråden til sammen. Vi opplever at kabler ramler ned, vi opplever stans i trafikken, vi opplever kuldeslag som medfører sprekker i skinnegangen som følge av opprensing. Skal vi bare sette oss ned og akseptere at dette er tekniske årsaker, som setter store deler av vår egen befolkning ute av stand til å kunne komme fram og tilbake til arbeid? Eller er det faktisk slik at vi ønsker å stå for en politikk som medfører effektivitet, som medfører en jernbane som er til å stole på, og som medfører at vi som nasjon til syvende og sist framstår på en måte som er langt mindre latterlig enn hva den er i dag. Det mangler 850 mill. kr for å oppfylle NTP. Vi vet også at man velger finansieringsløsninger som f.eks. gjør strekningen Asker–Oslo nærmere halvannen milliard kr dyrere enn nødvendig – både relatert til byggetid og i forhold til inntjening. Ønsker vi som nasjon å gjøre noe med dette, har vi full anledning til å gjøre noe med finansieringen av utbygging av en jernbane både gjennom et OPS og gjennom muligheten for å foreta låneopptak. Hvis man tror at verden er slik at man skal betale alt kontant den dagen man bygger det, er det veldig mye i Kongeriket Norge som aldri hadde kommet på plass. at hvis dagens finansieringsmodell får lov til å fortsette, er det veldig mye av jernbanen i Norge som heller aldri vil komme på

til tross for at de nå har styrt i fem år. Jeg må nok si at dette er det hovedinntrykket som sitter igjen etter dagen. Man bruker mye referanser, både statsråden og andre talere fra posisjonen, til budsjettall, og viser til hvor flink man er. Men jeg tror at hvis jeg hadde minnet den tidligere statsråd Kleppa på hennes budsjetter i Bondevik I og arbeiderpartirepresentantene på budsjettene i Stoltenberg I, ville de fort oppdaget at de budsjettallene lå lavere enn i Bondevik II. Sånn har det nemlig alltid vært. Derfor er det galt å sammenligne budsjett for budsjett uten å legge inn sterk prisvekst og utviklingen for øvrig. Den Men la gå med det. Satsingen på jernbane har vært på lavbluss i mange år, inklusiv under denne regjeringen. Denne regjeringen sier den bruker mer penger, men problemet er jo at man ikke løser problemene. Togene står, og nye planer realiseres håpløst gammeldags, vil jeg si. Man er ikke villig til å ta i bruk nye organisasjons- og finansieringsløsninger som prosjektfinansiering og OPS. Andre land, også våre naboland, gjør dette helt annerledes. Store prosjekt – Botniabanan, Øresund, Storebælt, Femerbælt, ja det er prosjektfinansiering, slik det står i Soria Moria-erklæringen – egne selskapsorganisasjoner med selvstendige selskaper, mulighet for låneopptak og kontinuerlig utbygging. Dette er ikke fremmed for oss i Norge heller, vi løste både Gardermobanen og Gardermoen-utbyggingen på samme måte. Her i Norge gjør Regjeringen altså det motsatte. Vestkorridoren, som flere har nevnt i dag, tar det nesten ti år å bygge, kommer til å koste 2 milliarder kr mer enn forutsatt, mer enn det som var nødvendig i henhold til tall Vedlikeholdsetterslepet er vi alle enige om, men Høyres forslag om et fond på 50 milliarder kr for å ta igjen dette enorme etterslepet vil ikke Regjeringen støtte. Regjeringen gjør dessverre viktige moderniseringsreformer som prosjektfinansiering, organisering og – jeg vil også ta med – OPS til et ideologisk spørsmål.

å tenke lenger enn én valgperiode fram, og parallelt med dette å planlegge for et moderne og helhetlig jernbanenett som virkelig kan gi oss svar på miljøutfordringene, men også på viktige utfordringer for nye generasjoners arbeidsliv, næringsliv og de mobilitetskrav som kommer. er nå 100 år siden Bergensbanen sto ferdig, 40 år etter storsatsingen på jernbane startet i Norge. Nå er det tid for en markant fornyelse, og dermed har høyhastighetsutredningen sin berettigelse.

Det vil komme til å ta tid før vi får orden på togdriften i Norge. Tog som ble anskaffet først på 1990-tallet, og som ikke fungerer i kulde og snø, lar seg ikke erstatte over natta. Heller ikke et signalanlegg som åpenbart har sett bedre dager, lar seg erstatte i en fei. Den berømte sporvekselen på stasjon, som har påført oss togpendlere slike lidelser gjennom en lang periode, er der fortsatt etter 25 år. Det kommer til å ta tid før vi får erstatte dette. Denne regjeringen har gradvis økt jernbanebevilgningen over år. I 2009 bevilget Stortinget mer penger til jernbanen enn jernbanen greide å bruke. Det samme er sannsynligvis situasjonen i 2010. Jeg merket meg at komiteens leder, representanten Hareide, nå ønsker seg en tverrpolitisk enighet om økte bevilgninger til jernbanen. Da vil jeg legge til at jeg synes det er fint at Kristelig Folkeparti har kommet til sans og samling på dette området etter at de slapp ut av regjeringskontorene. Men jernbanen klarer altså ikke å bruke mer penger i øyeblikket, fordi jernbanens organisasjon må bygges opp over tid for å klare økte bevilgningsrammer. Det er ingen planreserve i dag, og det kommer til å ta – og det tar – tid å planlegge. Dessuten trenger man planleggere nok for å kunne planlegge. de kommende årene kan bli å erstatte den generasjon planleggere som nå forlater jernbanen, og for så vidt også Vegvesenet, og går over i pensjonsalderen, eller å få dem til å stå lenger. Jeg synes i og for seg det er ganske frekt av opposisjonspartier som over år har neglisjert jernbanen, jernbanen, som bare har kuttet i jernbanebevilgningene, og som i høyeste grad er medskyldige i de forsømmelser som har blitt jernbanen til del over lang tid, nå å kritisere Regjeringen og regjeringspartiene for manglende jernbanesatsing. En regjering som har sørget for dobling av jernbanemidlene, og som har gitt jernbanen mer penger enn de kan bruke, får nå kjeft for det. I tillegg presterer Fremskrittspartiet å øke jernbanebevilgningene ytterligere vel vitende om at det ikke er bruk for mer penger i år. Denne formen for dobbelt bokholderi er imidlertid ganske typisk for dette partiet. Så synes jeg at interpellanten og flere representanter for opposisjonspartiene for øvrig bør ta seg en tur over Nordsjøen. En studietur til England, som har forsøkt det privatiseringseksperimentet som representanten Hoksrud bl.a. forfekter, burde være vel verdt. Eller om de synes at det er for drøyt og for langt, kan de i det minste lese det siste nummeret av Guardian Weekly, som har en vakker liten skildring av konkurransesituasjonen på det britiske jernbanenettet, om tog som ikke korresponderer, om et virvar av billetter og billettsystemer, om passasjerer som ikke kommer dit de skal, men til andre steder, om togreiser som ikke er blitt billigere, men som stort sett koster flesk. Det er privatiseringserfaringene, som opposisjonen for øvrig

om kvifor det er viktig ikkje å byggja ut meir tog, for det sosialistiske togprosjektet er ein trussel for privatbilismen. Då hadde interpellasjonen kanskje heitt det, eller så hadde han heitt noko om kvifor det ikkje er viktig å satsa på tog, men å satsa på motorveg. At nokon frå Framstegspartiet kan vera sjokkerte over det som skjer her i dag med det utgangspunktet dei har, er sjokkerande.

Då er det ganske irriterande å høyra at dei blir indignerte over at me kjeftar på dei. Det skulle vel berre mangla! Eg veit ikkje om eg føler meg som ein veldig syndar, men eg forstår godt at Hareide og andre gjer det. Når dei har mishandla toget så lenge, er det jo klart at dei er syndarar, sjølv om eg ikkje er han som dømmer i dei sakene! Eg er det jo klart at dei er syndarar, sjølv om eg ikkje er han som dømmer i dei sakene! Eg trur at me ser at me har klart å snu satsinga på jernbanen i Noreg. Me ser at me no bruker meir pengar – tre–fire gonger så mykje – men me har utfordringar likevel. Og for all del, Hareide, utfordringane med eit forlik er Men kjem Kristeleg Folkeparti med eit forslag til kva ein skal prioritera, eller er det berre for å verka venlege mot Regjeringa at dei foreslår eit forlik? Kva det betyr, er interessant å høyra, for det høyrest ikkje ut som om Hareide er ute etter eit forlik når han er ute i tv-stasjonane. Då er det noko heilt anna han er ute etter, og det er å rakka ned på Regjeringa. Så eit par utfordringar som eg synest er interessante, òg i forhold til det Halleraker og andre tek opp om finansiering. Eg synest at toget har eit problem i Noreg, fordi det blir dei har taxfree. Dei skaffar seg inntekter. Dei kan låna pengar, og dei har ikkje utbyttekrav. Bilen rullar av garde på ny asfalt, fordi det er bomstasjonar som skaffar inntekter heile vegen. SV ville gjerne ha brukt nokre av dei pengane som bilistane kjører inn, på toget, men det ser ut til å vera vanskeleg. Men det er éi løysing. Me kunne òg sjå for oss andre løysingar for å skaffa toget faste inntekter utover budsjett. Så eg meiner det er

statsråden seier ho skal gjera, ho skal sjå på tempoet på bl.a. utbygginga Oslo–Ski. Statsråden har forstått at det ikkje er noka motsetjing mellom å byggja Oslo–Ski som høgfartsbane eller som ein lokalbane. Tvert imot er det ei styrking dersom ein gjer to ting samtidig og det ikkje kostar noko særleg meir, for då er ein i gang med framtidas løysing, samtidig som ein løyser problema lokalt i Oslo. Det har vært en ganske interessant debatt. Det har ikke dreid seg veldig mye om de akutte utfordringene på jernbanenettet, det har blitt de store linjene. Og jeg må vel nesten prøve å svare på en del av de utfordringene vi har fått. Jeg synes det er viktig å vise til at vi aldri har vært rikere enn vi har vært de fem årene den rød-grønne regjeringen har sittet. Fremskrittspartiet har aldri sagt at vi ønsker engelske tilstander på jernbanenettet, som representanten Langeland er opptatt av, men vi har sagt at ja, vi ønsker å ta i bruk nye finansieringsverktøy. Vi ønsker å se på andre måter å organisere Jernbaneverket på, og vi tror at det må til hvis man skal møte en del av de utfordringene vi står overfor når det gjelder jernbanenettet. Og jeg skulle jo gjerne sett nye finansieringsmåter, for jeg opplever jo at representanter fra regjeringspartiene i lukkede rom og rundt omkring prater veldig fint om at vi trenger nye

Men det er ikke på den måten jeg har sett representanten Gullvåg i dag. Det minner kanskje mer om – tenker jeg – pusekatten Gullvåg, for det var et svært forsiktig innlegg fra representanten Gullvåg fra denne talerstolen i forhold til hva han har sagt tidligere. Men – må jeg bare si – jeg er litt glad. Nå ville ikke representanten Gullvåg si det her, men jeg har registrert at han har sagt at 50 mill. kr til høyhastighetstogutredning er et blindspor. Det er jeg helt enig med representanten Gullvåg i, det er definitivt et blindspor, og det er definitivt sånn at dette er penger som går til andre ting enn de burde gjort. De går til en utredning istedenfor til å gjøre noe med den akutte situasjonen vi har på jernbanenettet. Jeg må fortsatt utfordre statsråden, for hun vil altså så langt ikke svare på: Er det NSB eller er det Jernbaneverket som har rett? Jernbaneverket sier at man ikke trenger mer penger. NSB sier at de trenger mye mer penger, og man trenger det nå. Jeg håper at statsråden kan svare om det er NSB eller om det er Jernbaneverket som har rett, for det er det dette handler om. NSB mener at de trenger mer penger, og de trenger det nå. Jernbaneverket sier at de ikke har behov for pengene. Jeg forventer at statsråden i dag svarer på om det er Jernbaneverket eller NSB som har rett, nettopp fordi Fremskrittspartiet ønsker å løse den akutte situasjonen alle togpendlerne er i. Jeg tror mange togpendlere ville vært frustrert over å sitte på galleriet i dag og høre på denne debatten, for man har ikke kommet veldig mye lenger i å løse den fordi Fremskrittspartiet ønsker å løse den akutte situasjonen alle togpendlerne er i. Jeg tror mange togpendlere ville vært frustrert over å sitte på galleriet i dag og høre på denne debatten, for man har ikke kommet veldig mye lenger i å løse den akutte situasjonen og sørge for at dette ikke skjer igjen. Fremskrittspartiet er et parti som ser at ting forandrer seg. Man må følge med, og vi er opptatt av å ha en best mulig infrastruktur på både vei og jernbane.

Kven er det som har ansvaret – det synest eg er ein betre innfallsvinkel – når toget står? Det er Jernbaneverket som har ansvaret for skjenegangen og for signalanlegga. Det er togselskapet som har ansvaret for togmateriellet. Samtidig er det regjering og storting som har det overordna ansvaret, fordi det legg rammene som Jernbaneverket og togselskapet kan operera innanfor. Så er spørsmålet: Kan det brukast meir pengar? Jernbaneverket brukte ikkje dei pengane dei fekk i 2009. Dei bad om 470 mill. kr i Oslo-området. Dei har fått dei midlane. Dei var usikre tidleg i år om dei kom til å bruka alle. No trur eg dei kjem til å bruka dei. Eg registrerer at dei no seier at dei òg kunne brukt meir pengar utanfor det sentrale austlandsområdet. Det har dei sagt etter at budsjettet vart lagt fram. NSB har meldt sitt til komiteen, og eg har ikkje nokon grunn til å polemisera mot NSB om det som dei seier. Så er eg oppteken av ei grundig og forsvarleg planlegging av det som heiter store prosjekt, ikkje for å trenera noka framdrift korkje på Vestfoldbanen, på Oslo–Ski eller på andre banar, men for å unngå å koma i den same situasjonen som med Gardermoprosjektet. Det har vorte framstilt her som eit eksempel. Minnet er kort, det var ein eigen NOU. Puttjern er berre eitt av fleire stikkord i ein slik samanheng. Det var behov for ei evaluering etter at Gardermobanen var ferdig. Samanhengande utbygging blir understreka her. Ja, det var regjeringa Bondevik som sjølv varsla etappevis utbygging av Lysaker–Asker. I så måte er det godt at ein i ettertid har kome på andre tankar. buss som alternativ. Svaret er ja, sjølvsagt. Så til slutt om finansiering. Den som byggjer eit hus og har pengar i banken, går ikkje utan vidare og låner nye pengar. Det er meir midlar til jernbanen no enn det har vore tidlegare. Men det tek tid å forbetra både togmateriell og skjener. Det beste eksempelet på det er kanskje bestillinga av nye tog. Dei stod ikkje

vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegget fra statsråden innenfor den fordelte taletid.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

Hovedentreprisen ble lyst ut i høst, med tilbudsfrist 15. oktober. Det var i forbindelse med Statens vegvesens vurdering av de innkomne tilbud at en ble oppmerksom på at det var gjort enkelte grove feil i kostnadsberegningen. Konsekvensene av dette ble en kostnadsøkning på 250 mill. kr, og det er dette vi nå skal behandle. Denne kostnadsøkningen er svært uheldig. Det har ikke vært gjort godt nok arbeid verken av Statens vegvesen eller i den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet. Utviklingen i markedet har heller ikke vært slik som den eksterne konsulenten la til grunn i sin tilrådning til kostnadsoverslag. Selv om de fleste kostnadsoverslag fra Statens vegvesen ligger på rett nivå, er det helt nødvendig at man nå foretar en nøye gjennomgang av rutinene for fastsetting av kostnadsoverslag. Jeg vil understreke viktigheten av god kostnadsstyring i alle investeringsprosjekter i samferdselssektoren. Vi må kunne forvente at vi unngår tilsvarende saker i framtiden. Når dette er sagt, er det svært viktig at man nå kommer i gang med gjennomføringen av dette prosjektet, som utgjør første etappe av nye E6 nord for Lillehammer. Dette er en og utbyggingen vil føre til tryggere forhold på strekningen for alle trafikantgrupper og mye bedre framkommelighet. Utbyggingen av parsellen Øyer–Tingberg gir trafikksikker E6 fra Lillehammer til Tretten med sammenhengende lokalvei og en gang- og sykkelvei. I tillegg til reduksjoner i antall ulykker vil prosjektet også medføre en innkorting av E6 med 2 km. Dette er tidsbesparende for trafikantene og bra for miljøet. Veiprosjektet er viktig både for lokaltrafikken i Gudbrandsdalen og transport mellom landsdelene. Disse effektene medfører, til tross for kostnadsøkningen, at nettonytten er høy. Når det gjelder finansiering, er det lagt opp til at kostnadsøkningen skal dekkes av staten, bompengeselskapet og Oppland fylkeskommune. Oppland fylkeskommune. Oppland fylkeskommune har enstemmig sluttet seg til revidert finansieringsplan. Jeg anbefaler med dette flertallets

Men vi klarer altså ikke å kombinere det at vi er en av verdens rikeste nasjoner med å få opp investeringstakten på infrastrukturen fordi vi tviholder på et syn om at investering i jernbane og vei faktisk er en utgift. Der ligger den store utfordringen, den store nøkkelen og det store problemet som Regjeringen ikke makter å løse. Så til denne saken, nemlig

at vi får en sprekk på nesten 25 pst. Så vidt jeg husker, er totalrammen nesten 1 milliard kr på det opprinnelige prosjektet, og vi får nå altså melding om at det trengs en kvart milliard kr til. Det er fordi at det er gjort enkelte til dels grove feil i kalkylen. Det har departementet selv redegjort for. for. Det er selvfølgelig svært bekymringsfullt, svært beklagelig. Både Fremskrittspartiet og andre partier legger til grunn at Samferdselsdepartementet følger dette grundig opp, og at statsråden på en aktiv måte også gjør det med tilbakerapportering til Stortinget. Regnefeil, metodefeil og kontrollfeil som denne saken

derimot behandlet vi selve vegprosjektet Øyer–Tretten. Den gangen hadde flertallet i denne salen et ønske om en mer framtidsrettet løsning, om en trafikksikker veg med god framkommelighet, det vi kalte for smal firefelts veg. Flertallet pekte også på de store trafikkvolumene på denne strekningen, med en sommertrafikk på godt over Høyre tok derfor initiativ til en bred flertallsmerknad om å endre standard til smal firefelts veg. Fellesmerknaden var med andre ord en bestilling til departementet. På grunn av det brede flertallet var det grunn til optimisme. Men nei, vi ble orientert om at dette ville føre til utsettelse og en, om enn liten, kostnadsøkning på prosjektet. Det kunne ikke prosjektet bære, selv om flertallet hadde gitt åpning for at tunnelen, som jo var mye mer kostnadskrevende, men som er regulert til firefelt, kunne vente. Men altså nei av hensyn til framdrift og økonomi. Så etter noen måneder opplever vi at ikke bare forsinkes prosjektet og saken, men hele prosjektet blir 250 Dette er det tydeligvis godt rom for innenfor finansieringen av prosjektet. Og forsinkelsen – ja, den er jo selvforskyldt på grunn av uprofesjonell håndtering, så da så. Statsråden beskriver selv sin egen underetat som følger: Dette er ikke godt nok arbeid, dette er svært uheldig, ja, hun skriver sågar at det er gjort dårlig arbeid både i Statens vegvesen og i kvalitetssikringsarbeidet. KS2, som det heter, skal jo nettopp avsløre mulige feil. Når ikke engang så opplagte feil som det her er tale om, avsløres, er det faktisk grunn til å reise spørsmål ved hele KS2-ordningen. Det er en kostbar ordning med dyre konsulenthonorarer, men i dette tilfellet altså til ingen nytte.

Vi ville hatt en framtidsrettet firefelts veg gjennom hele Gudbrandsdalen på rekordtid. Trafikkprognosene er altfor forsiktige, og vi bygger nå en veg tilpasset gårsdagens utvikling, ikke framtidens behov, og vi bygger på en dyr måte. Så det er grunn til å stille et par spørsmål: Lærer Statens vegvesen og departementet noe av dette? Får slike glipp som dette noen konsekvenser? Jeg tror jeg avslutter med det og håper jeg kan få svar på dette i løpet av statsrådens innlegg. Då utbyggingsprosjektet E6 Øyer–Tretten vart lagt fram for Stortinget våren 2009, var kostnadene ved prosjektet kvalitetssikra både internt i

Ved utlysinga av hovudentreprisen hausten 2009 viste det seg likevel at det måtte reknast med ein kostnadsauke på 250 mill. kr. Kostnadsauken kjem av at det var gjort einskilde, til dels grove, feil i kostnadsoverslaget. Dette er knytt til at fleire postar i kostnadsoverslaget var underkalkulerte, m.a. rigg- og byggherrekostnader. Kostnadsoverskridinga er postar i kostnadsoverslaget var underkalkulerte, m.a. rigg- og byggherrekostnader. Kostnadsoverskridinga er alvorleg, og det er spesielt alvorleg når overskridinga kjem av at det ikkje er gjort godt nok arbeid i førebuinga av utbyggingsprosjektet. Dette skal ikkje skje! departementet noko av denne saka? Svaret er ja. Eg skal syta for at det blir sett i gang eit arbeid med å gå igjennom rutinane for fastsetjing av kostnadsoverslag for å vurdera om det er behov for endringar i desse rutinane. Så er det likevel ikkje tvil om at prosjektet E6 Øyer–Tretten er eit godt prosjekt. Ny E6 vil gje ein betre og Ny E6 vil gje ein betre og meir trafikksikker veg for trafikantane, og framkomsten vil bli betra gjennom at ny E6 vil bli om lag 2 km kortare enn den eksisterande vegen, slik saksordføraren grundig og godt har gjort greie for. Så vil det i tillegg bli bygd eit samanhengande lokalvegnett og gang- og sykkelvegnett. Det vil òg bidra til auka trafikktryggleik i området. Eg meiner difor det er viktig at prosjektet blir vidareført som opphavleg lagt til grunn av Stortinget. Statens vegvesen hadde avtalt med dei aktuelle entreprenørane utsett vedståingsfrist i påvente av Stortingets handsaming av forslaget om revidert kostnadsramme for prosjektet. Eg er glad for at komiteen i innstillinga har slutta og understreka at prosjektet er viktig både for trafikktryggleik og framkost på E6. Gjennom Stortinget si behandling av denne saka i dag vil grunnlaget bli lagt for ein trygg og sikker veg på strekninga E6 Øyer–Tretten, slik at han kan stå ferdig i 2013. Så høyrer eg når ulike representantar her har ordet, at det har vore ulike syn

all grunn til å rosa komiteen for måten dei tok imot denne saka på. Så skjønar eg at det påligg meg eit stort ansvar for nødvendig sikring av kostnader for ettertida. Lat meg understreka at eg er den siste som er interessert i at det skal i fleire prosjekt. Eg skjønar at det frå tid til anna kan vera usikkerheit om dei totale kostnadene, men eg er oppteken av at vi skal få mest mogleg veg for pengane, og mest mogleg veg for dei pengane som blir løyvde. Det blir jo ikkje meir veg dersom ein får store overskridingar i fleire prosjekt. Så dette skal eg følgja veldig nøye. Det blir replikkordskifte.

nettopp av hensyn til framdrift og økonomi. Og så skjer dette allikevel, noe som utsetter det, og som krever mer penger i budsjettet. Jeg spurte om det får noen konsekvenser. Jeg spurte også om det er grunn til å vurdere KS2-ordningen. Det gjorde jeg fordi jeg alltid syns det er riktig å forbedre systemene våre. Overskridelser tror jeg nok vi må leve med

kvalitetssikring og heller ikkje då oppdaga at riggkostnader ikkje er rekna inn, er totalt uakseptabelt. Kva konsekvensar får så dette? Det er klart at Statens vegvesen òg har fått seg ein vekkjar – lat det ikkje vera tvil om det. Men eg sørgjer altså for at vi no gjennomgår rutinane for fastsetjing av kostnadsoverslag. Vi må sjå veldig nøye på om det her er behov for endringar. Og lat meg leggja til at dette skal bli meldt tilbake til Stortinget på eigna måte. Debatten i sak nr. 9 er dermed avsluttet.

Full deltaking og likestilling for funksjonshemma er eit viktig politisk mål med brei støtte i denne salen. Kvaliteten på og omfanget av transporttenesta er avgjerande for om vi når det målet. Eg veit at samferdselsministeren er oppteken av funksjonshemma sine rettar. I debatten om statsbudsjettet før jul opplevde eg ein konstruktiv statsråd Med denne interpellasjonen ønskjer eg å ta saka eitt skritt vidare. Vi må få på plass ei TT-ordning som sikrar funksjonshemma deira rett til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Det trengst ei nasjonal ordning med dør til dør-transport for funksjonshemma med stort behov for ei slik teneste, ei på reiser som skal til for å leve eit normalt og aktivt liv. Grunnlaget for ei politisk løysing er god. Eit fleirtal av representantane i denne salen har svart eit klart og tydeleg ja på direkte spørsmål om dei ville gå inn for ei nasjonal ordning med dør til dør-transport for funksjonshemma. 87 av representantane har vist engasjementet sitt og erklært seg som aktive og personlege støttespelarar. Stortingsrepresentantar frå alle parti har slutta seg til dette målet. Det er vanskeleg å sjå for seg eit betre utgangspunkt for ei god løysing i TT-saka. Vi har no eit ansvar for å få dette i hamn, etter at funksjonshemma sine organisasjonar har kjempa for ei betre transportordning i 30 år. Variasjonane i ulike deler av landet er store og tilfeldige. I dei fleste fylka blir det tilbydd 2–4 enkeltreiser i månaden. Til samanlikning viser reisevaneundersøkinga til Transportøkonomisk institutt at folk generelt i gjennomsnitt har tre enkeltreiser dagleg. I dei mest aktive periodane av livet reiser folk mykje meir. Etter ein tur fram og tilbake til butikken har mange funksjonshemma brukt fjorten dagars transportkvote. Foreldremøte, dottera si fotballtrening eller ein tur på kino blir det ikkje plass til. Eg har fått høre mange personlege historier. Ei dame i 40-åra frå Skjåk har transport for 1 054 kr pr. år. For henne held dette til fire turar på butikken i løpet av året. Ho har ingenting igjen til andre aktivitetar eller personlege gjeremål. Mannen hennar må alltid køyre ungar og følgje opp barna sine aktivitetar. Ein mann frå Gausdal i 30-åra har transport for 2 000 kr pr. år. Det dekkjer fire turar til Lillehammer årleg. Situasjonen går naturleg nok kraftig ut over moglegheita til å vere aktiv. Ei dame frå Rauma i

eller i organisasjonsliv, og situasjonen går ut over moglegheitene til å følgje opp eigne barn. Blindeforbundet og funksjonshemma sine organisasjonar har lagt fram for transportkomiteen gode forslag til korleis ei nasjonal TT-ordning for funksjonshemma med store behov kan sjå ut og korleis ho kan organiserast. Dette skal ikkje vere ei særordning som gir særskilde til ei utvald gruppe, men ei ordning som sikrar funksjonshemma same moglegheiter som alle andre. Derfor understrekar forbundet at eigendelen pr. TT-tur bør leggjast på same nivå som kollektivtakstar, og ved lengre turar skal TT-reisa, når dette er mogleg, kombinerast med kollektivtransport. TT-ordninga var heilt frå starten av tenkt som ei ordning for Ein stor del av TT-brukarane i dag er likevel ikkje reelt funksjonshemma, men har fått samansette problem som følgje av høg alder. 70 pst. av brukarane i dag er over 70 år, og om lag 10 pst. er under 60 år. Undersøkingar viser at den eldste brukargruppa i hovudsak er nøgd med dagens tilbod. Det er bra. Ei ny ordning skal ikkje gå ut over desse. Brukarar som ikkje har stor trong for ordninga, skal framleis få eit godt TT-tilbod frå fylket òg i framtida. Ei ny, nasjonal ordning bør gjelde for dei menneska som på grunn av funksjonshemming er kritisk avhengige av transportordninga for å kunne leve eit normalt og aktivt liv. Denne brukargruppa er avgrensa i storleik. Berekningar anslår at eit tilfredsstillande tilbod om dør til dørtransport for funksjonshemma med stort behov vil koste om lag 200 mill. kr. Ansvaret for ei slik nasjonal ordning kan leggjast til Nav. Slik har ein valt å gjere det for ordninga med arbeids- og utdanningsreiser. Tilbodet kan bli gitt, anten som eit visst eller brukaren kan få eit betalingskort med eit visst kronebeløp. For begge desse alternativa er det utvikla tekniske løysingar i fylka allereie. Betalingskorta må kunne brukast over heile landet. Ei ordning med bestillingstransport er i einskilde samanhengar blitt framstilt som ei mogleg løysing på funksjonshemma sin Men bestillingstransport gir liten fleksibilitet og er ein modell som ikkje fungerer for brukargrupper med stort behov. Ein kjem ikkje ut når ein ønskjer eller treng det, og det kan ta svært lang tid å kome til den staden ein ønskjer. Dersom du skal rekke toget, eit arrangement, ein tannlegetime eller følgje barna dine på symjetrening, fungerer ikkje bestillingstransporten. Aktive synshemma er avhengige av den same fleksibiliteten som alle andre for å få kvardagen til å gå opp. I budsjettdebatten i Stortinget den 10. desember sa samferdselsministeren at ho i likskap med meg var oppteken av å forbetre TT-ordninga. Statsråden viste til at det har vore mange honnørord over lang tid, og at vi ikkje har klart å følgje godt nok opp i denne saka. Mitt spørsmål til statsråden er: Vil statsråden sikre funksjonshemma med stort behov ei TT-ordning som gir rom for eit normalt og aktivt kvardagsliv – uansett kor i landet ein bur? I innlegget sitt i desember peikte statsråden sjølv på kva som vil bli avgjerande for om vi får på plass ei god ordning. Det handlar til sjuande og sist om utteljingar på statsbudsjettet. vil prioritere TT-saka. Vi vil ha ei løysing som gjer at funksjonshemma kan leve aktive og likestilte liv. For å hauste nødvendige røynsler og erfaringar kan ein starte med ei prøveordning i minst to utvalde fylke. Eg vonar òg at dei andre partia, Regjeringa og statsråden vil gjere sitt for å få dette på plass, bl.a. ei prøveordning som kan gje dei nødvendige erfaringane vi treng for å betre TT-ordninga nasjonalt. Betre tilrettelegging av transporttilbodet for funksjonshemma er

TT-ordninga nasjonalt. Betre tilrettelegging av transporttilbodet for funksjonshemma er eit høgt prioritert område for Regjeringa. Prinsippet om universell utforming har blitt ein integrert del av arbeidet og prioriteringane i Samferdselsdepartementet og dei statlege transportetatane og verksemdene. Både gjennom lover og regelverk og gjennom fysiske tiltak finansierte over statsbudsjettet er kollektivtransportsystemet blitt meir tilgjengeleg under denne regjeringa. Frå 1. januar 2009 vart reglane i den nye likestillings- og diskrimineringslova gjort gjeldande. Det er innført nye reglar for utforming av bussar og passasjerbåtar. Nye reglar for utforming av tog er snart på plass. Universell utforming og betre tilgjenge er òg eit av hovudmåla for transportpolitikken, som er presentert i Nasjonal transportplan Infrastruktur og transportmiddel skal utformast slik at kollektive transportløysingar kan nyttast av flest mogleg, utan å ty til særskilde hjelpemiddel eller assistanse. Men området har vore forsømt i lang tid, og utfordringane er store. I tillegg vil mange funksjonshemma vera avhengige av alternativ til kollektivtransport, nærast uansett kvaliteten på kollektivtilbodet. For mange er tilrettelagd transport, TT-ordninga, avgjerande for moglegheita til å leva eit aktivt liv, og det er svært viktig at denne ordninga fungerer godt. Regjeringa sin strategi for å sikra funksjonshemma med stort behov ei god TT-ordning er todelt. For det fyrste vil vi sikra fylkeskommunane, som har ansvaret både for det ordinære lokale kollektivtilbodet og TT-ordninga, ein økonomi som gjer dei i stand til å sørgja for både eit godt TT-tilbod og eit godt kollektivtilbod. Etter mi meining er dette det viktigaste ein kan gjera for å sikra alle, inklusiv TT-brukarane, god mobilitet. Overføringane til kommunesektoren har auka kraftig under denne regjeringa. Fylkeskommunane har fått eit vesentleg større økonomisk handlingsrom og langt betre moglegheiter både til å sørgja for eit godt kollektivtilbod og til å gje eit godt TT-tilbod til dei som ikkje kan nytta ordinær kollektivtransport. For det andre vil vi bidra til at det lokale kollektivtilbodet kan nyttast av flest mogleg av dei mest mobile TT-brukarane, slik at ressursar kan frigjerast og brukast til ei betre TT-ordning for brukarane med størst behov. Dette kan vi oppnå ved betre fysisk utforming av kollektivtransportsystemet. Satsinga på universell utforming både gjennom likestillings- og diskrimineringslova og gjennom løyvingar over statsbudsjettet er viktig. I tillegg har Regjeringa stimulert til uttesting av ulike driftskonsept, bl.a. gjennom ordninga for betre kollektivtransport i distrikta, der fylkeskommunane kan søkja om tilskot, bl.a. for å testa ut ulike former for etterspørselstyrt transport, t.d. bestillingstransport og serviceruter som er opne for Dette er ordningar der brukarane innan ein bestemt tidsfrist melder inn sine reisebehov til ein transportsentral eller direkte til operatøren av buss, båt eller drosje, og der det skjer ei samordning av dei individuelle reisene. Slike ordningar kan gje betre utnytting av ressursane enn individuelle TT-ordningar. For nokre TT-brukarar er denne typen tilbod truleg heilt akseptable. For barn, unge, eldre og andre personar utan verken TT-kort, førarkort eller tilgang til bil er tilbodet om bestillingstransport avgjerande. Dess fleire som kan nytta det ordinære kollektivtilbodet, dess romslegare kan TT-ordninga utformast for dei brukarane som treng denne ordninga mest. For å undersøkja om betre samordning mellom TT-tilbodet og bestillingstransport kan redusera behovet for TT-transport utan at det går ut over brukarane sin mobilitet, inviterte Samferdselsdepartementet i 2009 fylkeskommunane til å delta i eit treårig forsøk der dei to tilboda blir sett eksplisitt i samanheng. Sju fylkeskommunar søkte om å delta, og det er no forsøk med betre koordinering mellom kollektivtilbodet og TT-tilbodet i Oslo

frigjera ressursar som fylkeskommunane kan bruka til å styrkja tilbodet for TT-brukarar med særskilte behov, om hovuddelen av reiser for andre brukarar kan dekkjast gjennom det utvida bestillingstransporttilbodet, og om tilbodet aukar mobiliteten til brukarar utanfor TT-ordninga. Departementet vil gjera ei grundig evaluering av forsøket etter tre år. Så nokre ord om nasjonale retningslinjer for

Men i likskap med den lokale kollektivtransporten elles er det fylkeskommunane som fastset standarden i tilbodet. Dei rettleiande retningslinjene ligg i hovudsak til grunn for dei retningslinjene som gjeld for TT-ordninga i fylka. Då er det slik at nasjonale retningslinjer vil gje ein større grad av likebehandling enn den budsjettstyrte ordninga vi har i Det kan knyta seg utfordringar til ei ordning med nasjonale retningslinjer. Nasjonale retningslinjer kan medføra monalege meirkostnader, dersom ein ikkje skal akseptera eit dårlegare tilbod for nokre brukarar. Dessutan vil nasjonale retningslinjer bryta med den etablerte ansvarsdelinga mellom forvaltningsnivåa og prinsippet om at det er fylkeskommunane som skal fastsetja omfanget av og kvaliteten på Nasjonale retningslinjer vil redusera fylkeskommunane sine moglegheiter for å sjå TT-transport i samanheng med annan kollektivtransport. Som eg nettopp gjorde greie for, vil ein solid fylkeskommunal økonomi, kombinert med eit kollektivtilbod som kan nyttast av flest mogleg, vera ein god strategi for å sikra eit godt TT-tilbod for dei brukarane som treng det mest.

deira uro i forhold til fylkeskommunane og frie inntekter med omsyn til om midlar som eventuelt blir frigjorde, verkeleg blir brukte til å styrkja TT-ordninga for dei som har mest behov for det. Blindeforbundet var kreative. Dei bad om eit forsøk til, eit forsøk som f.eks. kunne omfatta to fylke der ein direkte knyter midlar til ei TT-ordning for dei som ikkje kan nytta seg av kollektivtilbod. Eg kan ikkje på dette tidspunktet lova at eg skal få på plass ytterlegare forsøk i budsjettet for 2011, men det eg skal seia, er at eg er oppteken av at vi reelt skal styrkja TT-ordninga. Så dette forslaget og andre konstruktive bidrag er noko som eg meiner det er all grunn til å sjå nærare på. Eg har lyst til å takke statsråden for svaret, som eg opplevde som å vere veldig konstruktivt. Eg opplever at det som er

denne ordninga er laga for. Me ser at for nokre av dei eldste brukarane som ikkje er så aktive, kan denne ordninga fungere relativt godt, mens for dei unge aktive brukarane som ønskjer å leve eit meir aktivt liv, er ikkje ordninga i dag god nok. Eg har forståing for at statsråden ikkje kan love noko konkret i forhold til eit prøveprosjekt. Men eg synest det prosjektet som eg forstår statsråden er blitt presentert for av Blindeforbundet, er veldig spennande, det prosjektet som eg forstår statsråden er blitt presentert for av Blindeforbundet, er veldig spennande, der ein går inn i f.eks. to eller tre fylke og gjer eit forsøk nettopp med den gruppa der bestillingstransport ikkje er eit alternativ. Bestillingstransport kan vere eit alternativ dersom du har god tid til å planleggje, du veit at du skal gjere ein aktivitet på eit visst tidspunkt, du har ein fast aktivitet tidspunkt, du har ein fast aktivitet og du har relativt god tid. Det er ikkje eit alternativ for ein del av dei gruppene som kjem her. Så vil eg òg seie at noko av det me opplever, er dei store variasjonane som ligg her. Me skal òg vere så ærlege å seie at heldigvis er det delar av landet som har gode ordningar der mange av brukarane er godt fornøgde. Men det er ei utfordring når me ser på den nasjonale delen her, at det varierer i altfor stor grad. Derfor meiner eg at det å få plass det eg vil kalle ei nasjonal løysing, ikkje treng å bety at me går bort frå dei ledda me har i dag. Eg meiner derfor at den forsøksordninga som Blindeforbundet i utgangspunktet ønskjer, er å bruke nokre fylke her. Eg har derfor berre lyst til å

liv. Eg meiner at det er for store variasjonar, og eg opplever at det tilbodet me har på bestillingstransport i dag, ikkje dekkjer tilbodet til denne gruppa. Derfor opplever eg det som konstruktivt at statsråden ønskjer å sjå på ei ny forsøksordning, sjølv om ho nokre få dagar før budsjettkonferansen sjølvsagt ikkje kan konkludere på det.

det som er dei ideelle løysingane og dei tiltaka som vi klarer å få på plass. Eg synest likevel at det er godt å stå her i dag og faktisk vita at det her har skjedd betydelege forbetringar på kort tid gjennom desse to

kan få på plass betydelege forbetringar i alt frå bygg og fortau til samferdsel av ulikt slag. Det er ikkje minst difor vi òg går inn for å forlengja mange plattformer på jernbaner i inneverande års budsjett. Men så er det slik at dersom vi legg til rette, så må vi òg sørgja for at folk får moglegheit til større mobilitet. Det er der forslaga frå ulike organisasjonar som har erfaring å skilta med, er viktige å ta med i det vidare arbeidet.

Eg erkjenner at den løyser ikkje alle utfordringar. Det er difor eg òg er glad for at bodskapen er oppfatta. Eg kan ikkje lova noko på dette tidspunktet, men eg skal følgja nøye med og sjå kva vi kan få til. Arbeiderpartiet har «Alle skal med» som

Som interpellanten selv fastslår, er det store variasjoner mellom fylkene. En sammenlikning mellom fylkene som ble gjort i 2003, viste at Oslo brukte nesten 10 000 kr pr. bruker, mens Nord-Trøndelag, som brukte nest mest pr. bruker, brukte i overkant av Også i forhold til antall innbyggere var bildet det samme. Oslo brukte 372 kr pr. innbygger, mens også her var Nord-Trøndelag en god nummer to med 75 kr pr. innbygger. Selv om tallene er gamle, er det grunn til å tro at de illustrerer også dagens situasjon. Derfor er det betimelig å stille spørsmål, som representanten Hareide gjør, om hva som kan gjøres for å sikre et godt tilbud uavhengig av bosted. Som samferdselsministeren sa i sitt innlegg, er det to viktige tiltak Regjeringen gjør. Å sikre at fylkeskommunene har økonomiske muligheter til å gi alle et godt transporttilbud, er viktig – et godt kollektivtilbud og en god transporttjeneste for funksjonshemmede. Derfor er en styrking av kommuneøkonomien bra også for TT-tilbudet. Men det handler også om politisk vilje blant folkevalgte regionalt. Derfor må jeg, som tidligere ansvarlig fylkesråd i Nord-Trøndelag, si meg godt fornøyd med den andreplassen som Nord-Trøndelag har på den uoffisielle Men det er store forskjeller på hvordan det er å drive transporttjeneste i Oslo, med korte avstander, med muligheter for å benytte ordinære transporttjenester, med muligheter for serviceruter, og det å drive transporttjeneste i et spredtbygd fylke og et distriktsfylke som Nord-Trøndelag, med store avstander og svært spredt befolkning, og der transporttjenesten for funksjonshemmede oftest består i transport av enkeltpersoner i taxi over forholdsvis lange avstander. avstander. Da sier det seg selv at man må drive transporttjenesten på en annen måte i distriktene enn i de store byene. Derfor er det sånn at vi i Arbeiderpartiet mener det er et godt grep å teste ut nye driftskonsepter. Hvis jeg igjen kan tillate meg å benytte Nord-Trøndelag som eksempel, vil jeg vise til at det der er et prøveprosjekt med kollektivtransport i distriktene, KID bestillingstransport, inn til gjennomgående busstransporter, til gjennomgående hurtigbåtruter eller til tog, og i kombinasjon med serviceruter i de store kommunene. Det viser seg at så langt er dette prøveprosjektet et godt og meget vellykket prosjekt. Derfor er det riktig å prøve ut en samordning med TT-tilbudet og det såkalte KID-prosjektet. Det skal man gjøre i Nord-Trøndelag, sammen med Oslo og fem andre fylkeskommuner. Jeg er ganske sikker på at en sånn samordning vil være positiv, både for brukerne og for fylkeskommunene. Flere funksjonshemmede vil kunne bruke dette som er det ordinære tilbudet, kanskje med noen tilpasninger. Dette vil være helt i tråd med målet om universell utforming. Flest mulig kan benytte det ordinære tilbudet. De trenger ikke spesialtilpassede løsninger. Dette er universell utforming i praksis. Dersom flere av dagens brukere av transporttjenesten kan bruke det ordinære tilbudet, vil det kunne til de brukerne som er igjen, og som må kunne ha en egen og spesialtilpasset transporttjeneste, og gjøre TT-ordningen enda bedre for de brukerne som fortsatt har behov for transporttjenesten. Arbeiderpartiet er opptatt av at alle skal med. Transporttjenesten for funksjonshemmede er et virkemiddel i denne sammenhengen. Vi har stor tro på forsøksordningen, og vil avvente resultatet av denne. Jeg vil også framheve at uavhengig av hva vi venter på her på Stortinget – om vi avventer resultatene av denne forsøksordningen – er det lov for fylkeskommunene å prioritere å bruke mer penger på transporttjenesten for funksjonshemmede. Det kan være en like stor oppgave for de ulike politiske partiene å påvirke sine fylkespartier regionalt. Det viser seg at når det er økonomiske muligheter og når det er politisk vilje, så får man det til også i fylkeskommunene. For å oppsummere: Vi tror ikke at nasjonale retningslinjer nødvendigvis er den rette veien å gå, fordi forskjellene er så store i de ulike delene av landet. Det betyr at man må ha ulike løsninger for å tilfredsstille ulike behov. Jeg har lyst til å starte med å si at jeg er

men det hjelper ikke når forskjellene er så enormt store fra fylke til fylke. Da er det ikke slik at alle får bli med. Det er ganske stor forskjell på hvilke tilbud man får i Oslo

utforming. Jeg synes det er kjempebra, jeg. Jeg fikk muligheten til å være med noen funksjonshemmede som skulle reise fra Grenland til Oslo, og det var altså en opplevelse. Vi var flere politikere som var med, og det var virkelig en opplevelse å prøve å klare å få med rullestoler inn på toget, ut fra toget, inn på busser og ut fra toget, inn på busser og ut av busser, og alt som var av kollektivtilbud man må benytte i dag. Jeg er veldig enig i intensjonen til statsråden, at man ønsker å ta mange grep for at universell utforming skal bli det som kommer i framtiden og det som skal være der. Men det er altså ikke virkeligheten for mange av dem som i dag er avhengig av TT-tilbud og av annen type hjelp. Jeg er hjelp. Jeg er veldig glad for at alle stortingskandidatene – i hvert fall i mitt fylke, Telemark – ble utfordret nettopp av Blindeforbundet på om man ville være med på at vi nå skal innføre nasjonale retningslinjer for TT-transporten. Jeg tror nemlig at alle stortingskandidatene skrev under; også representanter fra regjeringspartiene skrev under på at man ønsket nasjonale retningslinjer for Og da synes jeg det er ganske merkelig – når vi nok en gang diskuterer det som vi diskuterte i hele forrige periode i transportkomiteen, og som jeg vet at man har diskutert i arbeids- og sosialkomiteen – at man ikke klarer å få på plass en nasjonal ordning som gjelder over hele landet, og som sørger for at alle får det samme tilbudet. Når vi også vet at noen får tilbud om noen få turer i måneden, mens andre har ganske mange turer i

har den, man skal kunne bruke kollektivtilbud og den type ting, og det er bra at fylkene har dette ansvaret. Utfordringen er altså at hvis man som funksjonshemmet bruker TT-kortet sitt for å komme seg til Oslo S og skal f.eks. til hjemfylket til statsråden, Rogaland, så kan man ikke bruke TT-ordningen i Rogaland, for det er Oslo kommune som administrerer den, og pengene skal brukes i Oslo kommune. Det er jo meningsløst, og det er nettopp derfor vi trenger nasjonale retningslinjer. derfor vi trenger nasjonale retningslinjer. Vi mener også at det er Nav som skal finansiere ordningen, nettopp fordi det da ikke blir noen diskusjon om hvor man bruker turen sin, om det er i det ene eller det andre fylket. Det bør jo være likt som for alle andre, man skal kunne bruke den der man trenger å bruke den. Derfor mener jeg at det er viktig å få på plass en nasjonal ordning, og jeg håper at statsråden – selv om hun var litt

I dag er, som flere har vært inne på, ansvaret for oppfølgingen av TT-ordningen lagt til hvert fylke. Dermed blir funksjonshemmede prisgitt fylkenes prioriteringer, og som vi har sett, varierer dette i altfor stor grad. Dette reflekterer ulike politiske prioriteringer, forskjeller i kollektivtilbud og ulike geografiske forhold, selvfølgelig. Vi vet samtidig at enkelte fylker er seg sitt ansvar svært bevisst, f.eks. her i Oslo, som, ifølge både Handikapnytt og tidligere samferdselsminister Navarsete faktisk, har landets beste TT-tilbud. Det syns vi i Høyre er hyggelig å registrere. Samtidig vet vi at andre fylker har et så dårlig tilbud at brukerne melder fra om sosial isolasjon og vanskelighet med å få deltatt i viktige aktiviteter. Dette er ikke godt nok. Høyre støtter derfor brukerorganisasjonenes sterke ønske om felles minstestandarder for å få en mer lik praksis i de ulike fylkeskommunene og bedre kvalitet på ordningen. Vi har vært med på å fremme forslag om dette både i Nasjonal transportplan og i budsjettsammenheng. Dessverre har Regjeringen til nå valgt å stemme dette ned. Høyre har også støttet forslaget om å legge TT-ordningen innenfor Nav i likhet med arbeids- og utdanningsreiser samt grunnstønad til transport- og bilstønadsordningen. Med en samlet administrasjon av alle de ulike transportordningene vil man bedre kunne gjøre en samlet vurdering av hver enkelts transportbehov når det gjelder arbeid, utdanning og fritid, samtidig som den betydelige forskjellsbehandlingen som foregår i dag, kan unngås. Det må være storsamfunnets ansvar å hindre diskriminering av en stor grunn av manglende transporttilbud holdes utenfor deltakelse i samfunnet. Høyre beklager derfor at Regjeringen, selv om vi har fått mange gode intensjoner her i dag, foreløpig ikke ønsker å stille opp for å sikre denne viktige nasjonale ordningen for dem med størst behov. Mennesker med funksjonshemninger mange steder i landet trenger at Regjeringen stiller opp,

i. Så er det noen som handler om universell utforming. Der deltar jeg bestandig. Det er ikke alle samferdselspolitikere som har vært spesielt opptatt av det heller, så her er det mye som står igjen etter mange års unnlatelsessynder. Det er slik at man må sikre at samferdsel skal gjelde alle. Det er ikke bare det at alle skal med. De skal med bussen, men noen kommer altså ikke med den. Da må vi gi dem noen andre muligheter. Jeg er opptatt av universell utforming, men det vil ta mange år før kollektivsystemet er universelt utformet. Det koster svært mange milliarder kroner. Jeg har vært i diskusjon med funksjonshemmedes organisasjoner i mange år. De har prinsipielt vært veldig opptatt av dette spørsmålet.

Derfor er jeg veldig glad for forslagene som har kommet fra Blindeforbundet, og også de forsøkene som Regjeringen har satt i gang, for da mener jeg vi er på riktig spor. Det er noen her som har snakket om eldre og unge og forskjellige behov. Ja, det er for så vidt riktig, det. I ulike fylker er godkjenningspraksisen for hvem som får denne ordningen, veldig forskjellig. I mitt eget hjemfylke er det veldig mange eldre som får den. I Oppland fylke er det halvparten så mange brukere og helt lik befolkning. Det utgjør også noen forskjeller, så man må kanskje rydde litt opp her. Hvis man får på plass en god bestillings- eller serviceruteordning, vil det fange opp mange av de eldre brukerne som egentlig bare trenger en god kollektivtrafikk. De kan bruke en bestillingsruteordning, slik at man får veldig mange av dem som er brukerne som egentlig bare trenger en god kollektivtrafikk. De kan bruke en bestillingsruteordning, slik at man får veldig mange av dem som er inne i TT-tjenesten i dag, over på den ordningen. Så sitter man igjen med en dør til dør-transportordning for dem som heller ikke kan benytte denne ordningen. Jeg mener at man da kan løsne på bindingen til kollektivtrafikken, ikke på pris, men på tilgjengelighet, for da er vi inne på et område der transportbehovet er annerledes enn for oss andre, fordi det er mennesker som ikke har noe valg, og – for å si det slik – de fleste av dem kan ikke kjøre bil, og de kan ikke benytte kollektivtrafikk. Det er en viktig oppgave for oss å sikre at de kan leve et likestilt liv, for det er det det handler om. Så er det spørsmål om nasjonale retningslinjer. Jeg tenker at kollektivtrafikken er et fylkeskommunalt ansvar. Den delen av dette som handler om bestillingsruter eller serviceruter, er et Så er det spørsmål om nasjonale retningslinjer. Jeg tenker at kollektivtrafikken er et fylkeskommunalt ansvar. Den delen av dette som handler om bestillingsruter eller serviceruter, er et fylkeskommunalt ansvar. Men jeg tror nok at hvis vi skal få på plass en ordning som sikrer dør til dør-transport for dem som trenger det, må vi se på noen måter å sikre dette på, med større likhet

som vi en gang ble enige om. Min erfaring er at hvis det over hele landet er ulike ordninger med et veldig stort innslag av skjønn, fungerer det veldig bra for grupper som er i stand til sjøl å utøve stor politisk makt og slåss og kjempe for rettighetene sine, mens de som har problemer med det, rett og slett fordi de kanskje ikke greier å transportere seg de kanskje ikke greier å transportere seg dit beslutningene tas, er mye mer avhengig av lovfesting av nasjonale retningslinjer og sikkerhet i ordningene. Da er de i stand til å være likestilte og ivareta sine demokratiske rettigheter. Dette er

som har gjort ham gradvis mer og mer svaksynt, ikke makter å følge opp barnet sitt lenger. Det er positivt med gode naboer som gjerne stiller opp med kompiskjøring til trening og andre aktiviteter, men det gjør noe med selvfølelsen som forelder når barnet ditt velger bort en fritidsaktivitet fordi pappa ikke makter å følge opp.

men buss er ikke et alternativ. De trenger en ordning fra dør til dør – som vi har snakket om i dag. De vi møtte, hadde brukt opp verdikupongene sine før februar var omme, verdikuponger på 1 200 kr i halvåret. Hva får man ut av det? Det burde jo ikke være slik at det var verdikupongene som telte, det måtte være antall turer i halvåret som var det viktigste. Tenk da på den brukeren som bor avsides, og dem er det flere av i mitt hjemfylke: Når vedkommende skulle til butikken eller på legebesøk i sitt kommunesenter, røk hele verdikupongen for første halvår på én tur. Transporttjenesten til jobb og utdanningsinstitusjon burde være en Transporttjenesten til jobb og utdanningsinstitusjon burde være en selvfølge, men også her ble et tiårig prøveprosjekt avsluttet, og nye brukere får dessverre et nei til denne ordningen. Med den ordningen som vi har i dag, blir mange blinde og svaksynte isolerte. Mange i denne gruppen er kritisk avhengige av en oppegående

for da vedtok Stortinget følgende: «Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2004 utarbeide nasjonale retningslinjer for kvaliteten og kvantiteten for TT-transporten og foreslå en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med de nasjonale retningslinjene.» Det ble vedtatt av Stortinget, men ble ikke fulgt opp på noen måte. Jeg vet at bl.a. FFO, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, i 2007 hadde møter med daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og statssekretær i Samferdselsdepartementet Steinulf Tungesvik, som lovet at denne saken skulle kvitteres ut i statsbudsjettet for 2008. Ennå er ikke den saken kvittert ut. Det er hele sju år siden Stortinget vedtok at vi skulle få på plass nasjonale retningslinjer, uten at noe har skjedd. Samtidig registrerer jeg at Regjeringen i sin første politiske plattform, Soria Moria I, sier at man ønsker en forbedret TT-tjeneste. Det sier man også i hver debatt – og har gjort det hele tiden – uten at noe egentlig har skjedd. Det skuffer meg. Det synes jeg er synd. Jeg håper at nåværende samferdselsminister, og håper at nåværende samferdselsminister, og også nåværende arbeidsminister, tar tak i de utfordringene vi har på TT-siden og får til en bedre ordning. Jeg skulle gjerne ønsket at vi hadde fått på plass nasjonale retningslinjer og et overordnet finansieringssystem for dette. Jeg registrerer at det ikke er ønskelig av et flertall i Stortinget, for hvis jeg ikke husker feil, skrev vel statsrådens nåværende partileder, Liv Signe Navarsete, som tidligere var samferdselsminister, i brev til arbeids- og sosialkomiteen 20. mai 2008, da vi behandlet det nevnte representantforslaget, at kostnadene ville bli for store med en nasjonal ordning. Det synet tror jeg er representativt for Regjeringen fortsatt, spesielt med tanke på at vi nå ser en debatt rundt omkring, samtidig som vi vet at til helgen skal regjeringspartiene begynne å diskutere budsjettet for 2011, og at alle sammen har fått i oppdrag å spare 4 pst. Jeg tror ikke det blir lagt inn mer penger med slike holdninger fra den sittende regjering. Det er synd, for det betyr at økonomi, kostnader, er viktigere enn likebehandling og et verdig tilbud til brukerne rundt omkring. Jeg skulle ønske at man først hadde tatt utgangspunkt i brukeren, og så sett på muligheten for økonomiske midler for å få til en god ordning i etterkant – men først altså se behovet til brukeren. Derfor er jeg veldig enig med interpellanten som skisserer en løsning som går på en forsøksordning. La oss iallfall bli enige om det, og ta utgangspunkt i det, for å få til en bedre TT-ordning i framtiden. Avslutningsvis: Jeg skjønner siste talers innlegg. Jeg er så heldig å være far til fire friske barn – jeg er selv frisk, og jeg har gleden av å følge dem på alle deres aktiviteter. Hva med de foreldrene som ikke kan gjøre det hver dag – de foreldrene som blir stoppet nettopp på grunn av transport/kommunikasjon? Det synes jeg ikke Norge skal være bekjent av. Jeg synes vi skal få til et langt bedre tilbud enn det vi har i dag. Så er selvfølgelig universell utforming vel og bra, men det hjelper ikke hvor god universell utforming vi har, hvis ikke brukerne får lov til å bruke tilbudet ofte nok i forhold til de behovene de har. Ein nyvald representant undrar seg svært over å høyre at denne saka har vore debattert ei tilrettelagd ordning, og så skal ikkje eit land som er kalla verdas rikaste, ha råd til å strekkje ut ei hand til desse menneska, som treng den hjelpa for å kunne fungere i kvardagen. Det gjeld hjelp til ein sjølv, det gjeld hjelp til barna, det handlar om ein aktiv kvardag, hjelp til ein sjølv, det gjeld hjelp til barna, det handlar om ein aktiv kvardag, der vi veit at alternativa er få. Vi veit også at nettverka deira forsvinn dersom dei ikkje kjem seg ut, og ikkje minst barna deira blir ramma og Det er veldig kritikkverdig at vi som politikarar ikkje klarar å få på plass ei nasjonal ordning som kan gi eit likt tilbod over heile landet. At Noreg, ein nasjon på 4,7 millionar innbyggjarar, skal ha eit system som er forskjellig frå region til region, frå fylke til fylke, når vi veit at vi dersom vi samanliknar oss med ein by i

Eg vil takke interpellanten som tek opp spørsmålet i dag. Vi høyrde også i eit tidlegare innlegg, frå representanten Andersen Eide, ei skildring frå eit møte som Møre-benken hadde med ein person som vart ramma av dette. Eg må seie at det gjorde eit veldig sterkt inntrykk å høyre at ein far ikkje kunne vere med barnet sitt ut og ikkje kunne vere med barnet sitt ut og gjere det som dei fleste andre kunne, fordi det denne tenesta representerte i verdi, allereie var oppbrukt. Og grunnen var faktisk at vi har hatt ein vinter som har vore uvanleg kald, med uvanlege snøforhold, langvarig, som har gjort at dei ressursane som vedkommande hadde, var oppbrukte. Det gjorde at han måtte sitje heime med som har gjort at dei ressursane som vedkommande hadde, var oppbrukte. Det gjorde at han måtte sitje heime med tiåringen sin. Det er etter mi oppfatning ikkje verdig. Så eg håpar og trur at ei forsøksordning, som er skissert her av interpellanten, kjem raskt og godt på plass, slik at vi får sjå om det er dette som må til for å løyse problema – desse problema som ikkje burde vere større enn at vi klarer å løyse dei.

Så må vi se på hvilke typer behov de menneskene som i dag har denne ordningen, faktisk har, for det er veldig store forskjeller. Med henvisning til innlegget fra Knut Arild Hareide: 30 pst. av brukerne av TT-ordningen er under 70 år og bare 10 pst. av brukerne under 60 år. Det betyr at det er ikke et svært stort antall mennesker. I dag kan man i enkelte fylker reise én gang pr. uke hvis man skal bruke Jeg må bare si at som småbarnsmor eller aktiv politiker, eller i det hele tatt, har jeg ofte hatt behov for å bevege meg ut av mitt hus mer enn én gang pr. uke, og jeg kommer til å fortsette å ha det selv om jeg blir relativt voksen og barna er i ferd med å stikke av fra hjemmet. Jeg har faktisk store intensjoner om å sørge for at det er flere i dette landet som har anledning til å følge opp sine barn, og det er det det handler om. Og da er det statsråd Meltveit Kleppa refererer til, det universelt utformede samfunnet, faktisk hovedprioriteringen. Det er Det er det aller viktigste. Jeg er en lykkelig bussbruker for tiden. Jeg bor i en by som har kollektivtransport som alle kan bruke. Det er en strålende ordning, og det betyr at jeg har behov for å bruke TT-ordningen langt mindre enn jeg ellers ville ha hatt. Det gir rom for at andre, som har større og andre behov for TT-tjenester, kan bruke det, kanskje levering dør til dør. Så har selvfølgelig denne vinteren skapt helt spesielle utfordringer. Det er noe med

og det behovet de har for å bruke TT-ordningen, vil kanskje være mindre, fordi det gjerne er transportetapper til kollektivtransporten. Prøveprosjektet som går for øyeblikket, er også positivt. Det kan redusere behovet, redusere antall brukere som har behov for å benytte særløsninger. Men samme hvor mye vi tilrettelegger, vil det alltid være en gruppe mennesker som vil ha behov for denne type særtiltak, og da er det viktig at de ordningene faktisk er slik at folk kan leve aktive og deltakende liv. Det handler om å sørge for at folk kan være litt sjef i egen hverdag. Jeg er muligens litt «sjefete» av meg, men synes det er veldig kjekt å kunne bestemme når jeg skal reise, hva jeg skal gjøre, og ikke nødvendigvis drive og spare opp til å følge barna på trening. Det handler litt om Det er på en måte ikke så spennende å kjøre drosje hvis man kan ta bussen sammen med andre. Så jeg tenker at den framtidsrettede måten å gjøre dette på, er å sørge for en universell utforming av samfunnet – trappe den biten opp. Det er å sørge for at TT-ordningen utformes enda sterkere for dem som har behov – og at vi kommer til å vurdere en eller annen variant av sterkere retningslinjer nasjonalt for å sikre at man faktisk dekkes noenlunde likt i samfunnet. Det å være framtidsrettet er å legge til rette for at man kan delta og være i aktivitet. Eg vil seie at representanten Brandvik avslutta ein veldig god debatt, og paradokset for oss som har jobba med transport dei siste månadene, er at me har hatt ein debatt der togkaoset har stått i sentrum. sentrum. Paradokset er at me har opplevd ein del pendlarar som ikkje har vore så fornøgde – det skal me innrømme – men nokre av dei gruppene me har debattert i denne saka, har jo nesten eit konstant kaos, som eg vil seie er langt verre enn det mange av togpendlarane har hatt. Derfor synest eg denne debatten har vore både nyttig og interessant, og eg synest òg dei signala eg opplever at alle parti har gitt, har vore veldig bra. Eg har likevel lyst til å peike på noko, for det er riktig at me no har ei forsøksordning – som allereie er i gang – på plass. Men den forsøksordninga vil ikkje gi dei svara som den gruppa eg har valt å lyfte i denne debatten, etterlyser. Derfor treng ikkje Regjeringa kome tilbake og seie at dei vil avvente den forsøksordninga me har no,

overestimerte. Det er fordi at når me sikrar fleksibilitet, anten i antall reiser eller i antall kroner, trur eg ikkje at kostnadene kjem til å bli så store som det er estimert her. Derfor er det viktig å få eit nytt prøveprosjekt på plass.

Eg skal innrømma at eg sit her med ei kjensle av at av og til har vi overdriven tru på kva nasjonale retningslinjer kan utretta. Det er ein del nasjonalt lovverk som klart slår fast rettar og plikter – det er retningslinjer som slår fast det same. Det er dessverre ikkje slik at alle brukarar av ulike ordningar opplever at regelverket fungerer likt. Men eg skal ta tak i den forståinga som no ligg hos dei som har hatt ordet, av det ansvaret som kviler på dei av oss som er av universell utforming. For er vi opptekne av det, så har vi eit arbeid å gjera når det gjeld i praksis å sørgja for likeverd og likestilling. Eg registrerer at det blir referert til ei undersøking frå 2003 om det gjeld dette. Det er i alle fall noko som eg skal ta på meg, sørgja for at vi får oppdatert korleis tilstanden er. Det er gitt råd til ulike brukargrupper – somme er glade for forsøket som er i gang når det gjeld samordning og kollektivtransport. Det er noko vi skal sjå nærmare på, skal sjå nærmare på, og i tillegg har eg registrert at det er brei støtte til det forsøket som er i gang. Eg kan vera einig i at det forsøket treffer ikkje alle like godt. Lat meg difor gjenta det ein gong til: Heldigvis er det slik at i nokre fylke er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

Det begge disse meldingene riktignok har til felles, er den gode problembeskrivelsen og de gode intensjonene, men dessverre, de konkrete forslag til løsninger er på mange områder nesten fraværende i meldingen. Det er vel nettopp derfor man fremmer saken som en melding og ikke som en proposisjon, som da ville kunne forplikte mer i tiden som kommer. Men jeg håper i hvert fall at vi i denne saken slipper å høre fra regjeringspartiene at det er den forrige regjeringens skyld at det fortsatt er for mye sel der ute, at den forrige regjeringen burde gjort noe med det, og at hadde ikke den unnlatt å gjøre det, hadde vi hadde orden på sysakene. Jeg håper at vi i hvert fall i denne saken, kan bli forskånet for det, for jeg tror vi har hørt det nok i dag. Når man leser komiteens merknader,

Ja, det er faktisk en enstemmig komité som påpeker det viktige faktum at Norge har en rett til å høste de levende marine ressursene basert på hensynet til bærekraft og mest mulig tilgjengelig vitenskaplig kunnskap. Komiteen viser videre til at fangst av hval og sel er tradisjonsrike norske næringer, og mener at et forsvarlig uttak av sjøpattedyr har gunstige virkninger for den totale utnyttelsen av marine ressurser. Når en har denne enigheten i bunnen for behandlingen av meldingen, skulle det kunne komme til uttrykk gjennom stor enighet om de viktigste punktene. Jeg vil hevde at så faktisk er tilfelle, til tross for at opposisjon og posisjon på enkelte områder selvfølgelig inntar forskjellige posisjoner. Det skulle jo bare mangle; slik er jo virkeligheten i dette hus. Siden forrige behandling av en sjøpattedyrmelding har EU fattet et vedtak som i praksis betyr betyr et totalforbud mot innførsel og salg av sel og selprodukter i EU-området. I denne saken er det stor grunn til å sette spørsmålstegn ved – i hvert fall slik undertegnede ser det – om norske myndigheter raskt nok fanger opp hva som var i ferd med å skje på dette feltet da saken kom til endelig behandling i Europaparlamentet, der EU-politikerne fatter sin beslutning. Det er

og her får vi virkelig prøvd ut hvorvidt vi er villig til å stå på standpunktet, stå på denne næringens side. Jeg har forsøkt så godt jeg kunne nå innledningsvis å skissere hva som er den store enigheten i meldingen. Jeg tror at det er veldig mye man er enig om, og som man kommer til å være enig om, og så får vi følge debatten videre. Så vil jeg gå inn på et par enkeltpunkter, og så får vi se hvor dette bærer hen i det videre innlegget mitt – om det klarer å piske stemningen opp mot de store høyder og vi får replikkordskifte her. Regjeringen skriver i sine merknader knyttet til hvalfangsten at det i første rekke er hjemmemarkedet som er viktig for denne delen av næringen. Det er jo riktig, når vi ser på hvordan og på hvilken måte man får omsatt sine produkter. Mange av oss har sett disse skutene ligge langs kaia og selge ferdigprodukter, og de er et positivt innslag i bybildet en rekke forskjellige steder. Også i min egen hjemby, Ålesund, er det stor glede når hvalfangstskuta «Kato» legger til kai og vi får kjøpe hvalbiffen ved kaikanten. kaikanten. Det er viktig at sånne ting fortsetter i framtiden. Det er viktig at vi oppebærer denne tradisjonsrike næringen vår, og det er viktig at vi høster på en bærekraftig måte. Opposisjonen mener imidlertid at det er for defensivt utelukkende å peke på det innenlandske markedet. Det er viktig at vi også arbeider internasjonalt, slik at vi kan få solgt produktene våre til en pris som gjør at denne næringen også i framtiden vil kunne forbli subsidiefri. Da er det viktig at vi internasjonalt gjør en jobb i de fora der vi kan gjøre det, gjerne sammen med Japan, Canada etc., slik at vi sørger for at markedet for disse produktene blir bedre i årene som kommer. Det er nok å nevne at for en del år tilbake hadde vi problemer knyttet til bl.a. hvalspekk som ble liggende på lager. Vi må også påpeke at i en verden der det er mangel på matvarer, er det underlig at en av de viktigste og mest proteinrike kjøttsortene vi har, skal vi altså ikke kunne selge, mens så lenge «kjøttet» går på landjorda og spiser gress, er det greit. Jeg håper at verden snart går videre. videre. Når det gjelder hvalfangsnæringen, kan man i hvert fall internasjonalt få inntrykk av at den er noe som styres av enkelte avdankede franske skuespillerinner som nærmest tror at hvalene kan snakke med hverandre. La oss håpe at vi kan få gjort en bedre jobb i framtiden og sørge for at vi får solgt produktene våre. I forbindelse med så på muligheten for å kunne starte med forskningsfangst på andre hvalarter enn det vi gjør i dag. Det er bl.a. 20 hvalarter i Nordøst-Atlanteren som har tilpasset sin livssyklus til dette havområdet. Vi håper at Regjeringen sammen med forskerne vil se mer på dette og vurdere det på en slik måte at vi kan få muligheten for å kunne åpne for ytterligere fangst på andre hvalarter. Det er en samlet komité som viser til at Norge har oppfylt sine folkerettslige forpliktelser om internasjonalt samarbeid om hvalforvaltningen. Men det er nå på tide at man tar om den tilslutningen som vi i dag har til hvalorganisasjonen, bør endres, og at vi muligens bør tilslutte oss NAMMCO i stedet for å være der vi er pr. i dag. Jeg håper at så vil kunne skje. Jeg vil gå inn på selfangsten på slutten av mitt innlegg. Selfangsten er også en næring som har behov for forutsigbare rammebetingelser. Så er ikke tilfellet i dag. Vi ser hvor lang tid det tar før man får vite hvilke støtteordninger som foreligger. Vi ser også at antallet båter som nå har meldt inn at de vil delta i denne fangsten,

kystselen. Det er faretruende når vi nå stadig vekk får rapporter om kystsel som dukker opp på stadig flere områder. Vi ser steder i dette landet der fiskerne selv sier at på grunn av slik det er blitt nå, er det problemer med å kunne spise fisken i enkelte fjordarmer. Vi ser også problemer knyttet til havarter eller gråsel i Porsangerfjorden. Vi ser store kolonier dukke opp

uvisst at hvilken årsak, jeg ser ikke helt sammenhengen, men ok, jeg har jo lest den innstillingen. Men jeg synes fiskeri- og kystministeren fortjener honnør fordi man har endret på dette, slik at de i hvert fall kan være med og konkurrere på like vilkår. Det står det stor respekt av. Jeg tror også det er andre ting man bør vurdere. Det kan være at et par av båtene skal ha mulighet til å delta i krabbefisket, altså kongekrabbe- eller Enkelte har også bygd om slik at krabbene kan kokes om bord. Man må også kunne se på andre muligheter for å drive med forskning. Dette er isforsterkede fartøy som har store muligheter, men da selvfølgelig i lik konkurranse med andre. Vi må selvfølgelig ikke komme dit at vi skal forfordele der, for da er det jo andre som blir rammet. Men det er viktig at man kan få være deltaker i den

også sørger for at vi kan få gode rammevilkår i årene som kommer, at vi gjennom våre vedtak og oppfølging av vedtakene kan sørge for at det også i framtiden vil være flere skuter som går ut på feltet. Ikke minst håper jeg at kysten ikke nok en gang vil oppleve en selinvasjon som følge av vår egen unnfallenhet. Det er vårt ansvar å sørge for at så ikke skjer. Derfor er det skjer. Derfor er det bedre å bruke føre var-prinsippet og ta ned særlig kystselbestanden, slik at vi kan drive med forebygging. Presidenten var et øyeblikk i tvil om uttrykket «avdankede franske skuespillerinner» er parlamentarisk, men ved nærmere ettertanke innser presidenten at representanten har et poeng. Representanten Harald T. Nesvik har tatt opp det forslag han refererte til. Det blir

over. Svaret er at ein ikkje bør gå i gang med forskingsfangst. Grunnen til det er at det i dag ikkje er klart nok forskingsmessig behov for slik forskingsfangst. Eg høyrde i innlegget at representanten gjentok dette framlegget sitt. Difor lurer eg på kvifor representanten Nesvik – på vegner av Framstegspartiet, går eg ut frå – held fast ved at vi skal vurdera på ny forskingsfangst på andre kvalartar. Kva nytt er det som har kome i saka, som gjer at han gjentek det? Bakgrunnen for at jeg gjentar

Jeg vil derfor be representanten Harald Nesvik om å klargjøre Fremskrittspartiets syn i denne saken under denne debatten. I forbindelse med en sak knyttet til feilskyting og skadeskyting av sel var en representant for Fremskrittspartiet ute og sa at vi må ha en kvalitetsmessig avliving av selen, som gjør at dyret ikke lider. I den forbindelse sa man at enten må man gjøre det på en skikkelig måte, eller så må man eventuelt vurdere at de som driver med det, må eventuelt vurdere at de som driver med det, må slutte med den fangsten. Jeg har full tiltro til kvaliteten i den næringen i forbindelse med avliving av dyr. Fremskrittspartiets utgangspunkt kan også representanten lese av innstillingen. Vi ønsker å utvide antallet dyr som skal tas ut, både for å kunne bruke det som en ressurs og for å forebygge fiskesykdommer, kveis etc., slik at vi får en bærekraftig næring i

Den kraftige beskatningen som hadde funnet sted først på 1930-tallet og de foregående årene, gjorde at hvalbestanden minket kraftig. Dette førte til at man fikk en viss form for begrensninger. Etter annen verdenskrig ble man rundt om i verden klar over at om hvalfangsten igjen ble intensivert, måtte man regulere fangsten, slik at man I 1949 ble derfor Den internasjonale hvalfangstkommisjonen opprettet. Fangst av sel og hval er en tradisjonsrik næring i norske havområder. Et ansvarlig uttak av sjøpattedyr kan også ha gunstige virkninger for den totale utnyttingen av andre marine ressurser. Samtidig er sjøpattedyrene ikoner med store symbolverdier for natur- og dyrevern. Det er derfor svært viktig at Norge har en balansert forvaltning av disse artene, og at forvaltningen er tuftet på et solid vitenskapelig grunnlag, faglige råd og bredest mulig internasjonal aksept. Tradisjonelt har kystsel, steinkobbe og havert vært en ettertraktet ressurs langs kysten vår. Dette førte til at lokale bestander nærmest ble utryddet som følge av hardt jaktpress. Interessen for kystsel avtok etter annen verdenskrig. Resultatet var en viss økning i bestanden av steinkobbe og havert langs kysten, noe som i sin tur har ført til at bl.a. fiskerinæringen ønsker å redusere antall kystsel. Myndighetene ønsker å dempe eventuelle konflikter mellom kystsel og fiskeriene ved å stimulere til økt jakt for å regulere bestanden, samtidig som man ønsker å bevare livskraftige kystselbestander innenfor selens naturlige utbredelsesområder. Det er behov for økt kunnskap om konflikter mellom kystsel og fiskeriene, herunder kystselens rolle i økosystemet langs kysten. kysten. Kystselen vekker sterke negative reaksjoner mange steder i Norge. Lokalt kan kystselen oppleves som et problem og en plage med konsekvenser for livskvalitet og yrkesutøvelse. Skadene som kystselen gjør for fiskeriene, kan grupperes i tre kategorier: skader på redskaper selens konsum av kommersielle fiskeslag spredning av kveis til fisk

I 1987 hadde vi en invasjon av grønlandssel langs kysten av Finnmark. Jeg er glad for at i meldingen framkommer det at ved en eventuell framtidig selinvasjon vil Regjeringen sette av midler for å avgrense skadene og innvirkningene på næringsvirksomheten langs kysten. I tillegg blir fiskeri- og havbruksnæringen oppfordret til å samarbeide med forskerne om å konkretisere skadene kystselen påfører fiskeri- og og om metoder for å måle omfanget og utbredelsen av disse skadene. Jeg er glad for at komiteens tilrådning fremmes av en samlet komité, og at det er tverrpolitisk tilslutning til den sjøpattedyrpolitikken som Regjeringen fører. Denne meldingen er det mange i næringen som også har ventet på. Denne regjeringens arbeid med sjøpattedyrpolitikk hviler i hovedsak på to pilarer: å drive seriøst vitenskapelig arbeid å følge folkeretten Norge følger de folkerettslige pliktene sine til internasjonalt samarbeid om forskning og forvaltning av hval og sel. Regjeringens overordnede mål er at det skal høstes bærekraftig av alle de marine ressursene, medregnet også selbestander i god stand. Norsk selfangst er underlagt et strengt og detaljert regelverk som omfatter kvoter, avlivningsmetoder, opplæring og trening av selfangere, godkjenning av fartøyer og kontroll. Hvert år må fangstfolkene gjennomgå kurs og skyteprøver før de drar på fangst. Alle skutene har inspektører om bord. Inspektørene er veterinærer – eller tilsvarende – og rapporterer direkte til fiskerimyndighetene. Sånn skal Å drive med selfangst blir man ikke rik av. Den økonomiske støtten fra staten har tatt sikte på å legge til rette for en lønnsom næring ved å gi støtte til produktutvikling, viderefordeling og fangsteffektiviserende tiltak. Resultatet fra norsk selfangst de siste fem årene viser at næringen fremdeles er ulønnsom og avhengig av offentlig støtte. Markedssituasjonen for hval og selprodukter er utfordrende, men det må også sies at etterspørselen etter slike produkter er begrenset. Når det gjelder hvalkjøtt, er Norge og Japan det eneste markedet av betydning. Når det gjelder produkter av sel, da spesielt selskinn og selolje, har markedet allerede blitt rammet av EUs importforbud mot selprodukter, med fallende etterspørsel og prisfall på skinn. Når det gjelder skinn og oljer, orienterer næringen seg nå mot Asia – og det er spennende – for å lete etter nye markeder. Det blir lagt til grunn i denne meldingen at de tiltakene og den politikken som ellers er behandlet i denne meldingen, ikke vil utløse nye økonomiske byrder av noe omfang. Det er heller ikke i denne meldingen fremmet tiltak som kan ventes å føre til administrative konsekvenser av noe omfang.

WTO-systemet. I overskriften til denne saken i EU står det at saken er EØS-relevant. Hvis dette ikke fører fram i WTO, er Norge forpliktet til å følge EØS-regelverket her. Det vil si at det innføres forbud mot omsetning av sel og selprodukter i Norge, og da er næringen borte – hvis man ikke velger å ta dissens og legge ned veto. Mitt spørsmål til representanten er følgende: Hvis WTO sier nei, vil Regjeringen da legge ned veto? Det gjenstår å se. Nå er det slik at tvisteløsningskonsultasjonen er det første trinnet i WTOs tvisteløsningsprosess. Det er for tidlig å si om vi kommer til å ta saken videre.

det sies om hvalen at han er så intelligent at han synger. Så avsluttet han med: «Men er det sant at han søng, kanskje han bare bannes?» Litt av den problematikken ligger jo i den saken vi behandler nå. Som innledningen i meldingen viser, kommer denne meldingen som et ønske fra et tidligere storting. I meldingen fra 2004 etterlyste man en mer aktiv forvaltning av sjøpattedyr

Det er nok ikke bilder verken med høtt, hakapik eller harpun vi viser fram av en norsk nordmann når vi i utlandet skal fronte Norges rolle som den ypperste av fiskeriforvaltere – og den ypperste av fiskeriforvalterne kan vi med rette hevde å være. Norge har gjennom mange år opparbeidet et forvaltningsmiljø og forvaltningsmodeller som er blant de beste i verden. Dette er en forvaltning bygd på de fremste vitenskapelige miljøene og på kystbefolkningens erfaring nedarvet gjennom generasjoner. Derfor er det med bekymring jeg registrerer at den nye meldingen på viktige områder ikke går lenger enn den forrige. Det kan på mange måter virke som om man trekker seg litt tilbake for å tekkes verneinteressene, heller enn å fronte god forvaltning og ikke minst norsk kystkultur. Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, ber derfor om økt innsats for å skape internasjonal forståelse for den norske forvaltningsmodellen. I mange år har Norges rolle i IWC, Den internasjonale hvalfangstkommisjonen, vært debattert. Mange har hevdet at Norge har problemer med å få gjennomslag for sitt syn på en helhetlig forvaltning. Gjennomgangsmelodien har vært at etter neste års årsmøte skal vi gjøre en vurdering av Norges forhold til kommisjonen. Det er etter opposisjonens mening på høy tid å gjøre den vurderingen. Derfor kommer et forslag der vi ber Regjeringen om å komme til Stortinget med en sak om Handel med selskinnsprodukter er i EU tilsynelatende overlatt til samme komité som bl.a. har ansvar for det indre markeds handel med parfyme og nylonstrømper. Det er faktisk sånn at det ikke er komiteen som har ansvar for forvaltning av fiskeriene, som skal se på denne saken. Den heter fiskerikomiteen – og var stort sett totalt ukjent med at det fantes sel og hval i havet. Dette er et godt eksempel på at man i det moderne samfunn er på god vei til å opparbeide en stor avstand til naturen. Da EFTA-parlamentarikerne og medlemmer fra næringskomiteen var i møte med EU i Brussel 23. februar, ga også medlemmer fra Europaparlamentets næringskomité klart uttrykk for at man fra EUs side ikke ville se handel med selprodukter og fiskeriforvaltning i sammenheng.

Det er store bestander langs hele Norges kyst, som gir grunn til bekymring. I møte med norske forskningsmiljøer er man forsiktig med å være bastant på hvor stor del av kystfiskbestandene selen beskatter. Forskerne sier som vanlig at man vet for lite, og at det forskes for lite. Kanadiske forskere derimot har akkurat kommet ut med forskningsresultater der man hevder at kystselbestanden er en betydelig større aktør enn før antatt, både fordi den spiser store mengder fisk, og fordi den i jakt på føde skader enda større mengder fisk. Da kan det faktisk virke litt defensivt at man ikke varsler større forskningsinnsats på dette feltet. Det sies at bestandstellingen skal økes, og at overvåkingen skal styrkes, men samtidig sier man at dette ikke vil utløse behov for mer midler, ei heller gi økte administrative konsekvenser. Det kan faktisk virke som om man sier én ting, men skal gjøre noe helt annet. Forskningsmiljøene arbeider også med problematikken rundt bestandsestimat for kysttorsk. Her framstår også kystselen som en betydelig predator, og at man ikke kan gi sikre tall, forklarer forskningen atter en gang med for liten innsats og for lite materiale. Kysttorsken står i fare for å komme på rødlista, og dette kompliserer forvaltningen av kystfiskeriene betydelig. Det er enda en grunn til å øke fokus på kystselbestanden. Mitt klare råd etter å ha lyttet til forskerne og kystbefolkningen er at man øker av kystsel betydelig. Dette er begrunnelsen for forslag nummer tre fra Fremskrittspartiet og Høyre. Så til det siste som er selfangstnæringen. Dette er en næring som opplever betydelige problemer med å få lønnsomhet i driften. I tillegg sliter den med betydelig motstand basert på følelsesladede innlegg fra naturvernere. Som hvalfangstnæringen er også denne næringen avhengig av støtte og hjelp fra politiske myndigheter. Rammene rundt bærekraftig drift er vanskelig, og markedet er preget av betydelig påvirkning fra aktører med en helt annen agenda. Da er det ekstra problematisk at man fra departementet utviser betydelig sendrektighet i det å klargjøre driftsrammene for årets sesong. Her står vi i fare for å miste kompetente fangstmiljøer. Støyen rundt rapporteringen etter sist sesong viser vel med all tydelighet at man heller bør styrke enn svekke

Derfor er det mange ulike problemstillingar som må avklarast i ei slik melding. Utgangspunktet for norsk sjøpattedyrpolitikk er berekraftig hausting av marine ressursar og ei økosystembasert forvaltning. Det er viktig å sikre biologisk mangfald på lang sikt, samtidig som ein haustar kontrollert av berekraftige bestandar. Det er nettopp denne viktige balansegangen Regjeringa legg opp til i meldinga. viktig å sikre biologisk mangfald på lang sikt, samtidig som ein haustar kontrollert av berekraftige bestandar. Det er nettopp denne viktige balansegangen Regjeringa legg opp til i meldinga. Viktige berebjelkar i norsk sjøpattedyrpolitikk er seriøst og anerkjent vitskapleg arbeid og forankring i folkeretten. Dersom vi sviktar på dette området, skader vi ikkje berre næringa, det kan skade Noregs omdømme reint generelt – og det kan i sin tur bli til skade for andre næringar. Det havrettkonvensjon, på vitskapeleg grunnlag og på Den internasjonale kvalfangstkommisjonen, IWC. Regjeringa peikar på at det ikkje er bestandsmessig grunnlag for fangst på andre store vandrande kvalartar enn vågekval i norske farvatn. Det er viktig at Regjeringa overvakar denne bestanden nøye i samsvar med anerkjende forvaltningsprosedyrar. Regjeringa konstaterer elles at det ikkje er grunnlag for å opne for forskingsfangst på andre kvalartar. Den haldninga Noreg har lagt seg på i denne saka, har medført at det i dag er lite internasjonal kritikk av den norske forvaltninga. Det kjem ikkje minst av at Regjeringa har lagt vekt på ei forvaltning med forankring i vitskaplege data og internasjonalt anerkjende forvaltningsprinsipp. Det er viktig å vidareføre denne politikken for å halda ved lag eit godt internasjonalt omdømme. Fangst av ishavssel er ei næring med lange tradisjonar. Men trass i betydeleg statleg støtte er ikkje fangsten av ishavssel økonomisk berekraftig i dag. Regjeringa har reist spørsmål om fangsten fortener vidare subsidiering. For å betre lønsemda blir det satsa på utvikling av nye produkt, men næringa er framleis avhengig av offentleg støtte. Det er viktig å arbeide for at næringa skal bli økonomisk berekraftig og uavhengig av subsidiar. Det er også viktig at den offentlege støtta i størst størst mogleg grad bidreg til lønsemd og til økosystembasert forvaltning og fangst. Fangst av kystsel har også lange tradisjonar i landet. I dag ser vi at kystselen skapar frisk debatt mange stader. Fiskarane opplever kystselen som eit problem for kystfisket. Ei av utfordringane vi står overfor, er at fiskarane og forskarane ikkje har den same oppfatninga av bestandstørrelse og konsum av fisk. Her er det viktig å få eit godt samarbeid mellom fiskarane og forskarane, slik at ein kan få ei felles forståing av faktagrunnlaget. Det er ein føresetnad for ei berekraftig utvikling av det marine ressursgrunnlaget totalt sett. Selprodukt er ein viktig tradisjon i sjøsamisk tradisjon. Det er positivt at det no blir satsa på å ivareta denne tradisjonen gjennom prosjektet «Sel i lokal kultur og fjordutvikling». Regjeringa er oppteken av internasjonal aksept for norsk forvaltning av sjøpattedyr. Derfor legg Regjeringa stor vekt på forsking og forskingsbasert forvaltning. Regjeringa legg også stor vekt på formidling av forskingsbasert informasjon opp mot internasjonale miljø for å auke forståinga for norsk fangst og norsk forvaltning. I all fangst er det viktig å ta inn over seg dei etiske aspekta ved avliving og å ha fokus på minimalisering av liding. Derfor er det viktig å ha strenge reglar for fangstmetodar og avlivingsmetodar. Her har både næringa og forvaltninga eit stort ansvar. SV er glad for at Regjeringa også på dette området satsar på å innhente kunnskap og drive aktiv rådgiving og kontroll.

Det er gjort en del for å leggje til rette for produktutvikling innanfor næringa. No trur eg ikkje eg sa at det var gjort ein betydeleg innsats, men det er gjort ein del innsats, og det er noko av det vi tek opp her at vi må ha meir fokus på at den innsatsen som blir gjord, skal leggje til rette for at næringa sjølv blir konkurransedyktig og ikkje blir avhengig på lang sikt av så mykje offentleg støtte.

for å unngå at eit negativt renommé skadar andre næringar. Det er ikkje dermed sagt at det er ei belastning, det er berre ei presisering av at dersom vi driv god forvalting, får vi eit godt internasjonalt renommé. Det er viktig for alle, òg andre næringar. I meldingen kan vi lese at grunnen til at konsesjonsordningen for selfangst er satt på vent, er at mange skuter er òg andre næringar. I meldingen kan vi lese at grunnen til at konsesjonsordningen for selfangst er satt på vent, er at mange skuter er gamle og ikke optimalt utrustet for selfangst. Svaret som ble gitt på Høyres spørsmål, Der står det: «Det er ikke planlagt å etablere en konsesjonsordning for sel- og hvalfangstfartøy. Særlig for selfangstfartøyene er det først og fremst de økonomiske fremtidsutsiktene som er viktige for mulighetene for langsiktig planlegging, og en konsesjonsordning vil i dette tilfellet ikke medføre noen endringer i så

og best mulig tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. Vi viser til at fangst av hval og sel er tradisjonsrike norske næringer, og vi mener at et forsvarlig uttak av sjøpattedyr har gunstige virkninger for den totale utnyttelsen av marine ressurser. Å ta vare på fangstkulturen langs norskekysten er også et Lykkes vi i å få til bedre lønnsomhet i fangstnæringene, vil det ha ringvirkninger i de kystsamfunn der fangstnæringene er etablert, som flere har vært inne på i debatten. Jeg har også merket meg at Regjeringen aktivt har motarbeidet forslaget om forbud mot import av norske selprodukter i EU, og at de nå vil arbeide aktivt for å dempe virkningene av EUs forbud mot norske selprodukter, bl.a. gjennom Hvalprodukter blir i all hovedsak solgt på det innenlandske markedet i form av hvalkjøtt. Selv om næringen er subsidiefri, er lønnsomheten i næringen svekket. Senterpartiet er derfor tilfreds med at Regjeringen varsler at den vil fortsette det viktige arbeidet med å sikre at handel med hvalprodukter mellom Japan og Norge blir normalisert, og viser til at Japan er et Likevel er Senterpartiet av den oppfatning at hjemmemarkedet fortsatt vil være det viktigste markedet, og at det er av avgjørende betydning at man får dette markedet til å fungere, noe næringen selv også må arbeide videre med. Senterpartiet vil vise til at Regjeringen konsekvent har fremmet norske interesser i forhold til de prosesser som har gått i EU i forkant av forbudet mot norske men at man ikke nådde fram med norske synspunkter i denne saken, og at forbudet mot import og omsetning av norske selprodukter nå er et faktum. Senterpartiet er likevel glad for at Regjeringen forfølger denne saken i WTOs tvisteløsningssystem, og vi har merket oss at det er avholdt tvisteløsningskonsultasjoner med EU om saken. Vi mener samtidig det er viktig at det arbeides videre med å utvikle nye produkter basert på sjøpattedyr for på sikt å gjøre næringen mer bærekraftig.

I samme brev framgår at det ikke planlegges noen konsesjonsordning for hvalfangstfartøyer. Senterpartiet er opptatt av at kystselen skal forvaltes innenfor bærekraftige rammer på en slik måte Vi har merket oss at arbeidet med forvaltningsplaner med langsiktige forvaltningsmål og strategier nå er i sluttfasen, og at når dette arbeidet er sluttført, vil det bli etablert mekanismer for internasjonal evaluering av det vitenskapelige grunnlaget for forvaltningsråd. Senterpartiet slutter seg til de forvaltningsplaner og mål for kystselbestanden som legges fram i meldingen. Vi støtter videre forslaget om at bestandstellinger med standard metode og overvåkning av reproduksjon til kystselen blir Senterpartiet er også kjent med at selprodukter er en viktig ressurs i sjøsamisk tradisjon. Vi ser med interesse på prosjektet «Sel i lokal kultur og fjordutvikling», som er opprettet med støtte av Sametinget, og som også komiteen har fått en god beskrivelse av i møte med Sametingets representant. Vi ser det som positivt at det på denne måten arbeides aktivt med å legge grunnlaget for bevaring og utvikling av den sjøsamiske kulturen i kyst- og fjordområder, og i så måte utnytte selen positivt.

Presidenten gjør oppmerksom på at den reglementsmessige tiden for kveldens møte er over, og vil foreslå at kveldens møte fortsetter til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. Det blir replikkordskifte.

kunne man i februar 2005 observere 150 dyr. De dyrene som lå på den øya, utgjorde ca. 21 tonn med rovdyr. Siden Senterpartiet er relativt opptatt av andre rovdyr, kan det nevnes at den samlede bestanden av de store rovdyrene gaupe, jerv, ulv og bjørn

det er jeg helt sikker på at også representanten Nesvik er opptatt av. Når det gjelder beskatning av selen, vil jeg vise til at Regjeringen har økt kvoten betydelig. Vi er opptatt av at bestandtilveksten skal reguleres, og vi er fra Senterpartiets side veldig opptatt av å følge denne utviklingen nøye. Som jeg viste til i mitt innlegg, arbeides det nå med langsiktige forvaltningsstrategier også for kystselbestandene, og jeg er helt sikker på at fiskeriministeren vil komme nærmere inn på dette temaet i sitt innlegg.

på 2006-nivå. Hvor betydelig er det uttaket da? Kvoten er økt betydelig. betydelig. Når en går inn på enkelte områder og enkelte arter, vil jeg vise til at det vil helt sikkert fiskeriministeren komme tilbake til. Det jeg kan understreke, er at Senterpartiet er opptatt av en forvaltning av disse ressursene som gjør at man kan få til en ordentlig utvikling også av fiskerinæringen og andre næringer i dette området. Fra vår side vil vi følge denne Presidenten gjør oppmerksom på at den enkelte representant bare gis anledning til to replikker. Nei. – Nei? Da får representanten den tredje replikk. Takk for det, det er i hvert fall i henhold til min forretningsorden! Et annet område som Senterpartiet også er veldig opptatt av, er EØS, og i hvert fall EU og det indre markedet, som man ikke ønsker å være en del av, riktignok. Dersom Norge og Canadas klage på WTOs tvisteløsning eller noe av det andre som gjelder WTO, ikke fører fram, er spørsmålet mitt: Vil da Senterpartiet gå i bresjen for at Norge eventuelt skal legge ned veto mot at også Norge må innføre forbud mot omsetning av selprodukter? Dette spørsmålet har også tidligere vært oppe i debatten. Nå er det sånn at vi skal gå rundene i de systemene som allerede er i gang med hensyn til WTOs tvisteløsningssystem, og det er konsultasjoner med EU som nå føres. Utover det skal man jo også gjennomføre disse prosessene før jeg kan si noe mer om hva

Norge må spille en enda mer aktiv rolle for å få bredest mulig internasjonal aksept for norsk sjøpattedyrforskning og -forvaltning. Stortingsmeldingen redegjør i liten grad for viktigheten av å jobbe internasjonalt for å få forståelse for bakgrunnen for den Vi fremmer derfor forslag sammen med Fremskrittspartiet og Høyre der vi ber Regjeringen «trappe opp arbeidet med å få internasjonal forståelse for den norske forvaltningen av sjøpattedyrbestanden». I den forbindelse er det også viktig å bidra til et bredt internasjonalt samarbeid om forskning og forvaltning knyttet til hvalfangst. Vi kan ikke se at Stoltenberg-regjeringen har lyktes i sitt arbeid og vi fremmer derfor sammen med Fremskrittspartiet og Høyre forslag om å be Regjeringen «gjennomføre en vurdering av tilknytning til forvaltningsorganisasjon når det gjelder hvalfangst og fremlegge en sak om dette for Stortinget, umiddelbart etter IWCs årsmøte i 2010». Komiteen har fått flere innspill fra næringen om vanskelige vilkår. Utviklingen i sjøpattedyrnæringen har vært svært negativ de siste fem årene. Fiskebåtredernes Forbund mener Regjeringen i liten grad har bidratt til å styrke norsk selfangst. I tillegg sliter næringen med manglende forutsigbarhet. Hval- og selfangstskutene får bare kort tid før de skal ut på fangst, avklart deltakelse, støtte og fangstforskrift. For å bedre forutsigbarheten vil Kristelig Folkeparti derfor ha på plass en konsesjonsordning eller en annen type forutsigbar godkjennelsesordning. også at Regjeringen i samarbeid med næringen må intensivere innsatsen for å skape mer bærekraft for næringen. Dette gjelder bl.a. ved å bidra til å utvikle nye produkter basert på sjøpattedyr, samt å skaffe rettmessig markedsadgang for norske sjøpattedyrprodukter. Vi har utfordringer med bestanden av kystsel, som spiser relativt store mengder fisk. Dette påvirker fiskeriet i negativ retning. Jeg vil også understreke innspillet fra Sametinget om at fangsten av kystsel i nordområdene bør økes, slik at nivået ligger 30–40 pst. lavere enn i dag. Vi skal lytte både til Sametinget og til fiskerne, som følger nøye med på bestandsøkningen. I St.meld. nr. 27 for 2003–2004, som ble framlagt av Bondevik

forslag til hvordan vi skulle øke lønnsomheten. Det kunne være konsesjoner til skip som f.eks. kunne brukes i andre former for næring, bl.a. fartøy som ble brukt til turisme, kunne også brukes

Høsting av hval og sel utgjør i norsk målestokk små næringer med få fangere og en relativt liten foredlings- og distribusjonsvirksomhet på landsiden. Dette representerer på sin side særlige utfordringer for myndighetene når det gjelder å legge til rette for størst mulig lønnsomhet og effektivitet i næringsutøvelsen. Internasjonale forhold preger i særlig grad sjøpattedyrnæringens rammebetingelser. Situasjonen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen og EUs beslutning om å stanse import og omsetning av selprodukter er eksempler på prosesser som utfordrer forvaltningen og næringen på en særlig ressurskrevende måte. Samtidig utsettes norsk sjøpattedyrpolitikk for til dels sterk kritikk fra en rekke enkeltland. Den internasjonale kritikken rammer i sin kjerne Norges rett til selvbestemmelse når det gjelder bærekraftig bruk av våre naturressurser. Regjeringens holdning på det punktet er klar: Så lenge det er vitenskaplig grunnlag for å høste bærekraftig av en bestand, skal andre, politiske hensyn ikke hindre oss i å gjøre

melding til Stortinget. St.meld. nr. 46 for 2008–2009 slår fast at det er denne regjeringens ønske å holde fast ved de hovedlinjer som Stortinget sluttet seg til i 2004 samt å ta ytterligere grep for særlig å styrke det kunnskapsmessige grunnlaget og sikre langsiktig og bærekraftig forvaltning av våre sjøpattedyrnæringer. På Den internasjonale hvalfangstkommisjonens årsmøte i 2009

Samtidig var det en sterk vilje blant medlemslandene om ikke å gi opp forsøket og en erkjenning av at det igangsatte arbeidet burde videreføres fram mot årsmøtet i 2010. Norges posisjon i IWC er tydelig. Folkerettslig og vitenskaplig står vi på trygg grunn, og vår hvalfangst er på et slikt saklig grunnlag knappest omstridt. Norge kan sette de kvoter som det er vitenskaplig grunnlag for, og slik en ansvarlig ressursforvaltning tillater. For Norge, isolert sett, er med andre ord situasjonen i IWC ikke et forvaltningsmessig problem. Samtidig er det et opplagt behov for internasjonalt samarbeid om forskning og forvaltning knyttet til hvalfangst, slik som for fiske og fangst av de levende marine ressursene for øvrig. Med det som utgangspunkt har Regjeringen fortsatt en ambisjon om å bidra til en normalisering av IWC. Regjeringen ønsker å være helt klar på det. Det er IWC som pr. dags dato er det internasjonale forumet for samarbeid om forskning og forvaltning av hvalfangst. I hvilken grad vi vil nå fram i bestrebelsene på å normalisere organisasjonen, er imidlertid Usikkerheten om IWCs framtid som forvaltningsorganisasjon var en viktig beveggrunn for at Norge i 1992 valgte å være med på opprettelsen av Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen – NAMMCO. Som en ansvarlig ressursforvalter ville vi sikre oss at vi hadde en regional samarbeidsorganisasjon på plass i tilfelle IWC skulle bryte sammen. Dette forholdet til NAMMCO gjelder også for

Hvalfangerne og mottaksleddet på land må samarbeide for samlet å bli mer effektive og for at hvalkjøttet skal stå sterkere i det norske markedet. Globalt er Japan det eneste markedet som kan motta hvalkjøttkvanta av betydning. Siden det ble besluttet å gjenåpne for eksport av vågehvalprodukter i 2001, har vi derfor arbeidet spesielt for å En avtale med Japan for eksport av hvalkjøtt kom på plass i 2007. Avtalen ble framforhandlet sammen med Island. Det første eksportpartiet av norsk og islandsk hvalkjøtt ble sendt i mai 2008. Mens de islandske varepartiene gikk inn, ble de norske avvist på grunn av for høye nivå av melkesyrebakterier. Vi har fra vår side lagt til rette for regulær eksport av vågehvalprodukter til Japan, men japanske helse- og sanitærkrav må overholdes for at vareparti skal godkjennes for import. Det må den norske hvalnæringen forholde seg aktivt til når det gjelder behandlingen av det hvalkjøttet som er tenkt eksportert til Japan. Her har myndighetene kontinuerlig god dialog med næringen. Så til selfangstnæringen. Komiteens innstilling legger til grunn at det skal høstes bærekraftig av alle marine ressurser, inkludert selbestander i god stand.

Dersom selfangstrederiene ønsker driftsalternativer i tillegg til selfangsten, må de i utgangspunktet skaffe seg det innenfor rammene av gjeldende regler. Næringen utfordres også internasjonalt. EU har vedtatt et importforbud mot selprodukter. Det er et helt klart angrep på selfangsten og norsk ressursforvaltning. Allerede før forbudet har trådt i kraft, har vi sett effektene på med lavere omsetning og lavere priser for skinn. Regjeringen mener forbudet bryter med EUs internasjonale handelsforpliktelser. Som det tidligere har vært nevnt her i kveld, har vi altså avholdt tvisteløsningskonsultasjoner med EU, og vi vil vurdere å ta saken til et WTO-panel. Det er i denne sammenheng av avgjørende betydning at det norske regelverket for selfangst overholdes. Myndighetene har lagt ned mye arbeid for å få aksept for norsk fangst.

Bestandstilveksten av kystsel skal innenfor denne rammen reguleres for å avbøte skader for fiskerinæringen og andre berørte interesser. Regjeringen arbeider med langsiktige forvaltningsstrategier for kystselbestandene. Arbeidet med strategiene er i en sluttfase og vil bli ferdigstilt etter at Stortinget har behandlet denne meldingen. Det blir replikkordskifte. Statsråden viser i sitt innlegg til viktigheten av at vi opprettholder både tradisjonene og

Hva det endelige beløpet til det enkelte fartøy blir, er det litt tidlig å si, all den tid vi ikke har det eksakte tallet. Men på bakgrunn av den oversikten som jeg sitter med nå i dag, legger jeg til grunn at beløpet pr. båt blir det samme som i

Derfor vil jeg gjerne gjenta det i dag. Det er vel antakelig bare dommedagsprofetene som ikke vil ha forutsigbarhet når man skal drive næring, og for selfangstnæringen er det i alle fall viktig at man har så forutsigbare rammer som mulig. Departementet har fra næringen flere ganger opplevd kritikk for at sesongens rammer blir klare så sent. I år opplever man faktisk at de kommer senere enn noen gang. Mitt spørsmål blir da: Er statsråden bekvem med at Fiskeri- og kystdepartementet er så sent på banen i forhold til årets Jeg skulle veldig gjerne ha sett at alt var klarlagt veldig mye tidligere. Forutsigbarhet ligger til grunn for arbeidet innenfor støtteopplegget til selfangsten. Det har vært slik at fra det tidspunktet da budsjettet ble behandlet, og til denne ordningen kom på plass,

gjentar at jeg kunne gjerne ha tenkt meg å få det på plass Jeg har følgende to raske spørsmål til statsråden. vi tidligere i debatten har hørt representanten fra regjeringspartiet SV påpeke viktigheten av å gi tilskudd eller midler til produktutvikling, og at Regjeringen gjør det. Da er mitt spørsmål til statsråden: Hvor mye gir vi i 2010 til produktutvikling? Spørsmål 2 til statsråden dreier seg om at vi vet at problemene med å få solgt selprodukter er blitt større etter at EU har truffet sitt vedtak, og at prisene har gått ned.

et eksakt svar på det. Så var det spørsmål knyttet til spesifikke tiltak for å få opp salget av produkter. Det er også noe av det som jeg må få lov til å komme tilbake til, i den forstand at nå har fokuset vært knyttet til – punkt nr. 1 – å jobbe med den saken opp mot WTO,

Komitébehandlingen og debatten her i kveld har vist at det er stor enighet om forvaltningen av sjøpattedyrene våre. At Regjeringen blir pustet i nakken av opposisjonen når det gjelder arbeidet med å skape internasjonal forståelse for den norske forvaltningen av sjøpattedyrbestanden, synes jeg er til å leve med. Også Høyre og Fremskrittspartiets forslag om å få til en økning av fangsten av kan jeg for min del langt på vei slutte meg til. Men jeg vil understreke regjeringspartienes merknad, der de er opptatt av at bestanden skal forvaltes innenfor en bærekraftig ramme, og på en slik måte at skadeomfanget holdes lavt. Arbeidet med forvaltningsplaner med langsiktige mål og strategier er, som det allerede har vært nevnt her tidligere, i sluttfasen, og det vil bli etablert mekanismer for internasjonal evaluering av det vitenskaplige grunnlaget for forvaltningsråd. Jeg er enig i denne kunnskapsbaserte tilnærmingen til forvaltningspraksis, som er en måte å arbeide på som jeg håper får økende internasjonal aksept. Så vil jeg ta opp situasjonen i Froan naturreservat og landskapsvernområde som ble etablert den 14. desember 1979. Dette er norskekystens desidert viktigste yngleområde for kystsel, altså havert og steinkobbe. Reservatet ble opprettet for å verne om en fauna, en spennende flora, fugl, sel og andre pattedyr. I reservatet er det forbudt å gå i land i hekketiden, og det er forbudt å ferdes på selens yngleplasser. I landskapsvernområdet er det lov å gå i land, men det er ikke lov å drive jakt. Etter at vernet ble innført, har det skjedd en voldsom utvikling i selbestanden. Det er en dramatisk utvikling. Selen er som kjent øverst i næringspyramiden og har ingen fiender. Fra lokalt hold er det fremmet ønske om å få evaluert utviklingen i Froan etter at vernet ble innført. Det er ikke imøtekommet fra miljømyndighetens side. side. Det beklager jeg. Heller ikke er det kommet på plass en forvaltningsplan for verneområdet. Det er også beklagelig. Jeg vil be fiskeri- og kystministeren ta med seg en hilsen til sine kolleger i Regjeringen om at det er stor lokal utålmodighet i forhold til dette, og be om at det blir satt fortgang i denne saken. Så over til der jeg nok må innrømme at jeg er helt i ytterkanten av mitt kompetanseområde. Jeg forstår det slik at steinkobben er enkel å beskatte, mens derimot haverten er både vanskelig og sky. Og bare 10 pst. av den kvoten forskerne anbefaler å ta ut, blir tatt ut. Så her må man, etter mitt skjønn, se etter flere metoder og strategier. Kanskje ta ut noe på ynglestadiet, hva vet jeg? Det er Det er i hvert fall behov for å ha trykk på dette temaet for å få til en bærekraftig forvaltning. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Dette er

nettopp slik som eg gjer no. Slik føler også næringa at myndigheitene her til lands har gjort det for deira del. Og det er trist. Dei tradisjonelle fangstmiljøa vil forsvinne. Sjølv har eg fått lov til å vere med ei av selfangstskutene i Vestisen, vore med å fangste nokre tusen dyr. Eg synest det er forferdeleg trist at denne tradisjonsrike næringa forsvinn. Ei fornuftig fangsting av der ein også tok ut ungdyr – eg kan hugse at vi tok ut både blueback og kviting – gav faktisk inntekter som gjorde at ein fekk lønsemd. Det er det største problemet i dag for næringa: å skape ei lønnsemd som gjer at ein kan fortsetje, for dei statlege bidraga til næringa er altfor små når ein går inn og forbyr uttak av ungdyr. Vi ser at det urbane samfunnet ikkje lenger treng hausting av naturen. Men likevel ser vi at spanske tyrefektarar lever godt framleis, jamfør dette med å kunne ta ut ungdyr. For kvalfangsten føler eg meg sikker på at det går same vegen. Det er eg ikkje ein augneblink i tvil om. Men også sjøpattedyra, selen spesielt, beskattar òg eit fiskeri der behovet for større uttak til menneskemat er stort og vil bli større. Eg er ikkje ein augneblink i tvil om at bestandane kjem til å kome opp på eit slikt nivå at det vil gå ut over menneske si hausting av fiskeria, og då er vi nøydde til å gå inn og hauste betydeleg meir enn det vi har gjort hittil.

så det går mot slutten for norsk selfangst, melder TV 2. Og dei 45 tilsette på selfangstskutene «Kvitebjørn» og «Kvitungen» er sagde opp. Dei har også vore blanda inn i ei mislykka satsing på fiske av kongekrabbe, som har tappa rederia for eigenkapital. Og lønnsemda, som det er blitt vist til frå mange, mange, er vanskeleg å få på plass i dag, men ho vil ikkje bli enklare framover og når denne næringa er borte, for då må ein til å designe og byggje nye skip, fordi dei gamle skipa dessverre er borte, og det vil koste fellesskapet betydeleg meir enn å lyfte næringa i dag.

mot fiskebestanden i hele Oslofjordområdet. For kysttorsken i dette området er situasjonen nå aldeles prekær. Overfiske, skarv og sel har over år desimert fiskebestanden i en slik grad at det snart ikke finnes torsk i dette området. Bestanden av sel i Oslofjordområdet er, ifølge forskerne, ikke bærekraftig forvaltet. Selen var en gang en ettertraktet ressurs, også på våre kanter av landet. Selen ble jaktet på, og derfor ble bestanden holdt tilbake. På 1970-tallet ble imidlertid selen totalfredet i Sør-Norge, fra Østfold til Sogn og Fjordane. Derfor har bestanden økt kraftig. År om får vi følgelig en selpest, som reduserer bestanden for en stakket periode. I Ytre Oslofjord er det nå en bestand på om lag 400–500 sel. Verre er det på vestkysten av Sverige, der flere tusen sel også beiter på fiskeressursene i området. Med solid støtte er det derfor et krav fra oss som bor i dette området, at det nå innføres utvidet jakt på sel i Ytre Oslofjord. I denne sammenhengen dreier det seg altså om sel og om forvaltning av selbestanden. Men egentlig dreier dette seg om forvaltningen av fiskeressursene i Oslofjord- og Skagerrak-området – eller rettere sagt mangel på forvaltning av disse ressursene. Det er alvorlig fare for at vi nå steller oss slik at det i rekreasjonsområdet for 2 millioner mennesker i dette landet snart ikke er mulig å henge ut et håndsnøre med rimelig håp om å få

Det står i innstillinga, som dei sjølve har vore med på, at Regjeringa brukar midlar til produktutvikling. Punkt 2: Eg sa ikkje at Regjeringa gjer det.

Jeg skal ikke drøye dette lenger. Jeg ønsker bare å få replisere tilbake til representanten Holmelid. Mitt spørsmål gikk på å prøve å få konkretisert disse tiltakene som nettopp ville få dette markedet opp å gå. Det er jo det jeg etterspør, og det er det vi dessverre ikke ser konkretisert. Men heldigvis har fiskeri- og kystministeren sagt at hun vil komme tilbake til den biten, slik at man får en oversikt over det. Det setter jeg stor pris på. Jeg ser fram til et ytterligere samarbeid på det feltet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Stortinget går da til votering. Under debatten er det satt fram sju forslag. Det

resten
president

da med I, som gjelder arbeidsmiljøloven. Det voteres over § 13-3 tredje ledd, som oppheves. Nåværende fjerde ledd blir tredje ledd. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de vil stemme imot. Det voteres så over § 13-4 andre ledd andre punktum under I og § 2 første ledd under II, som gjelder likestillingsloven. Fremskrittspartiet har varslet at de

forslagene nr. 8–10, fra Vigdis Giltun på vegne av Fremskrittspartiet forslag nr. 11, fra Sylvi Graham på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti forslag nr. 12, fra Sylvi Graham på vegne av Høyre forslagene nr. 13–16, fra Kjell Ingolf Ropstad på vegne av Kristelig Folkeparti Det voteres først over forslagene nr. 14 og